på alle måter også mer effektive enn kombinasjoner av pisk og pisk, som man etter min mening bør være forsiktig med. Jeg ser for meg at man går inn med statlig finansiert forskning, ulike måter å stimulere på også innenfor kvotepliktig sektor. Det tror jeg er helt nødvendig. Så er det mange som hevder at miljøavgiftene har lite med miljø å gjøre, men jeg tror ingen kan hevde noe annet enn at CO2-avgiften har ført til betydelige utslippsreduksjoner. mener jeg det er bra om vi kan kombinere det å skaffe inntekter til fellesskapet med å stimulere til riktig adferd, så jeg er en sterk tilhenger av å fortsette jobbingen med grønn skatteveksling, som vi har Så må jeg si, helt til slutt, at jeg mistenker Fremskrittspartiet for at det er ønsket om lavest mulig CO2-kostnad for å fly som er motivasjonen for å reise denne interpellasjonsdebatten, og ikke en voldsom bekymring for at miljøavgiftene skal havne i diskreditt blant folk. Jeg vil takke de fleste bidragsyterne for en god og konstruktiv debatt. Det viktige her var å få en prinsippdebatt om prising av CO2. Jeg er

samme gjelder Høyre og representanten Astrup. Jeg er for øvrig også enig med Astrup i at det å ha en CO2-avgift på nivå med det Klimakur forespeilet, ikke er ønskelig. Jeg sier jo heller ikke at en bare skal ha avgift som virkemiddel når det gjelder å kutte CO2-utslipp. Det som er spesielt med Klimakur, er jo at der har politikerne satt et mål om innenlandske tiltak, og dermed begrenset spillerommet som næringslivet har til å gjøre tiltak

sagt at når det gjelder teknologi for CO2-rensing, bør staten være med og gi et viktig bidrag. Men i motsetning til regjeringen ønsker vi å ha en bredere tilnærming, der alle aktører som kommer med prosjekt, skal kunne få en vurdering. Regjeringen begrenser dette til Mongstad. Så kan en alltid ta en klimademagogisk tilnærming etterpå om hvem som tar problemet mest på alvor, men det er resultatene som teller, og ikke hvem som uttrykker størst mulig bekymring. Derfor ser jeg ingen særlig grunn til å kommentere SVs innlegg noe videre. Jeg er imidlertid veldig glad for noen av de avklaringene som finansministeren har gitt. Det at en sier at en systemomlegging ikke skal medføre en økt belastning, er en viktig og god avklaring. Det tror jeg også er noe som betrygger næringslivet: Hvis en velger å gå fra et avgiftssystem til en kvoteordning, så skal en i hvert fall ikke få en dobbel beskatning som øker belastningen i forhold til i dag. Det er viktig. Det har en jo for så vidt bekreftet for petroleumsnæringen, men miljøvernministeren ga en litt annen tilnærming enn det finansministeren gir, og jeg velger å stole på finansministeren i denne sammenheng. Jeg ser at jeg ikke kan forvente at finansministeren vil få til en absolutt harmonisering. Det er heller ikke nødvendigvis mitt mål, men en bedre harmonisering er fortsatt et mål for min del. Jeg håper at finansministeren i hvert fall i neste års statsbudsjett kan gi en bedre begrunnelse for hvorfor en legger seg på de ulike nivåene ut fra en CO2-argumentasjon: hvorfor en velger ett nivå for CO2-utslipp fra én kilde, mens en velger et annet nivå fra en annen kilde.

den vi har hatt nå, har dreid seg om hvordan vi skal sikre en bærekraftig klima- og miljøpolitikk. Dessverre var det få skribenter i presselosjen. Det interessante med disse to interpellasjonene er egentlig at det er i disse to sakene de viktigste skillelinjene i politikken går, og de går for så vidt ikke mellom regjeringen og opposisjonen, de går tvers igjennom det blå regjeringsalternativet. Det er bare en observasjon vi kan ta med oss til senere. Så belyste representanten Astrup veldig godt i sitt innlegg de ulike avveininger som vi står framfor i klima- og miljøpolitikken. Og selvsagt er det slik at ut fra et rent avgiftsteknisk synspunkt så enkel er ikke politikken; det er på en måte noe av kjernen. For politikken skal også ivareta flere hensyn. Slik er det også med avgifter, enten det er CO2-avgifter eller moms. Så kan en mene mye om det, men det er på en måte en del av innretningen på politikken. Det som er det viktige, er at avgifter bidrar til det jeg vil kalle en kostnadseffektiv miljøpolitikk og klimapolitikk, der en bruker de sterkeste virkemidlene på de områder der en ønsker å oppnå størst mulig klimaeffekt på raskest mulig og på best mulig måte. Det er det ene. Det andre er å bidra til at en får en omstilling og en utvikling av klimavennlig teknologi. Så er det jo slik at avgift og pris vil være et helt sentralt virkemiddel i klima- og miljøpolitikken framover. framover. Derfor ender vi for så vidt i denne interpellasjonen opp med at en av de store utfordringer som vi står framfor i det neste tiåret, er å kombinere en god næringspolitikk på den ene siden med en effektiv og god klimapolitikk på den andre siden. Vi må føre en politikk som sikrer at samtidig som vi legger til rette for en god utvikling av næringslivet i Norge. Det er en krevende balanse, det er ingen tvil om det. Men så langt synes jeg vi har truffet denne balansen rimelig godt. Vi var tidlig ute med en aktiv klimapolitikk og med å sette en pris på utslipp av og politikken har gitt resultater. Utslippene er i dag langt lavere enn de ellers ville ha vært. Samtidig har vi også opplevd en sterk økonomisk vekst og hatt gode vilkår for næringslivet. Flere norske bedrifter er ledende på miljøteknologi. Det er viktig at vi klarer å holde fast ved denne balansen i klimapolitikken framover. Jeg vil takke for debatten.

vi eksporterer, havner i EU-land. 70 pst. av varene og tjenestene vi importerer, kommer fra våre naboland i Europa. Norge er fullt ut integrert i det indre markedet i Europa utenom fisk og landbruk, og stadig flere beslutninger med konsekvenser for Norge fattes i Brussel fremfor på Stortinget. I noen tilfeller påvirkes vi direkte, i andre tilfeller påvirkes vi indirekte. I kjølvannet av Lisboa-traktaten er det blitt vesentlig mer krevende for Norge å forsvare norske interesser i Brussel, og det er blitt viktigere enn noensinne at Norge er tidlig ute med å forme og fremme norske posisjoner i EU. Dette er i aller høyeste grad aktuelt innenfor energifeltet. Politikk som fremdeles er i støpeskjeen – og dermed er mulig å påvirke – er EUs nye energistrategi og EUs strategi for energiinfrastruktur. Kommisjonen presenterte strategiene henholdsvis 10. og 17. november i fjor, og vil fremlegge supplerende og konkretiserende tiltakspakker i år. Energistrategien bygger i hovedsak på gitte forutsetninger om svært ambisiøse klimamål, nødvendige oppgraderinger av infrastruktur og behovet for forsyningssikkerhet. I dette ligger ambisiøse mål for ny fornybar energi, økt satsing på energieffektivisering, «smart grids» og diversifisering av import av fossile energikilder. Strategien anslår at EU må investere 1 000 mrd. euro innenfor denne sektoren frem til Fremtidens nett, fremtidens infrastruktur for gass og fremtidens infrastruktur for transport og lagring av CO2 vil formes i 2011. Dette er et arbeid Norge ikke kan vente med å påvirke til de 27 EU-landene har blitt enige om sluttresultatet. Da er det for sent. Norge kan heller ikke vente til regjeringen fremlegger en energimelding for Stortinget med å avklare viktige strategiske veivalg i den nasjonale energipolitikken – veivalg som er nødvendige å fatte nå dersom vi skal spille en rolle i utformingen av energisystemene i Nord-Europa. Regjeringen har forpliktet seg til en klimapolitikk som vil føre til betydelig kraftoverskudd i Norge i årene som kommer. I disse dager, med høye energipriser og stort behov for importert kraft fra våre naboland, kan et betydelig kraftoverskudd om noen år fortone seg som en drøm. Men det er et sannsynlig utfall dersom det grønne sertifikatmarkedet lykkes og vi etterlever EUs krav til energieffektivisering. Det norske kraftoverskuddet bør, slik vi ser det, benyttes til tre ting. Det ene er å legge til rette for en fortsatt sterk kraftintensiv industrisektor i Norge. Det er bra for arbeidsplassene og verdiskapingen i landet, men også for det globale miljøet. Aluminium produsert på kull medfører ti ganger så høye utslipp som Det andre er å redusere sårbarheten i det norske kraftsystemet i tørre, kalde år, når lav vannstand i magasinene nødvendigvis medfører prispress for forbrukere og næringsliv. Det tredje, og mest relevante i denne sammenheng, er å se Norges tilfang av regulerbar kraft i sammenheng med det store tilfanget av uregulerbar kraft i Nord-Europa. Norge vil aldri bli Europas batteri, til det er de norske kraftreservene for små. Men vi kan bli en viktig spiller i det nordeuropeiske markedet dersom det er politisk vilje til Flere norske kraftprodusenter har tatt til orde for utvikling av pumpekraftverk i Norge. Norske vannkraftanlegg er i stor grad anlegg basert på flere mindre magasiner på fjellet. Det gjør det relativt gunstig å pumpe vannet fra et lavereliggende til et høyereliggende magasin ved lave kraftpriser, for deretter å produsere kraft ved høyere priser. I seg selv kan også pumpekraftverk bidra til å redusere sårbarheten ved lav vannstand i magasinene. Realiseringen av pumpekraftverk og hvilket omfang dette eventuelt skal ha, er både et kommersielt spørsmål og et politisk spørsmål som bør avklares. Det store tilfanget av ny uregulerbar kraft som følger av store vindkraftutbygginger i Storbritannia, Nord-Tyskland, Nederland og Danmark, kan bidra til å øke verdien av norsk vannkraft betydelig. Samtidig kan det bidra til å stabilisere prisene for norske forbrukere. Høyre mener Norge må ha ambisjon om å spille en betydelig rolle i utviklingen av energisektoren i Nordsjøbassenget, og at denne ambisjonen må bli en integrert del av EUs strategiarbeid. Kraftutveksling krever nettinvesteringer. Statnetts ambisjoner om flere utenlandskabler er positive, men må ses i sammenheng med utviklingen av nettet i Europa. Derfor er det positivt at Norge tar del i nordsjølandenes offshorenettinitiativ, signert i Brussel 3. desember 2010. I forlengelsen av dette er utviklingen av et eventuelt fremtidig supernett i Nordsjøen viktig. Norge bør også bidra til EUs strategi for gass. Norsk gass er en viktig bro til fornybarsamfunnet. Derfor bør Norge ha som ambisjon å opprettholde sin rolle som betydelig gassleverandør til Europa. Det er imidlertid en ambisjon som forutsetter modige nasjonale beslutninger om bl.a. konsekvensutredning av nye letearealer nord for eksisterende gassinfrastruktur. Det ligger i dag 7 800 km med rørledning i Nordsjøen. Verdien av denne infrastrukturen – hvordan den videreutvikles avhenger dels av politiske valg i Norge, dels av politiske valg i EU. De geopolitiske dimensjonene veier fremdeles tungt i EUs gasspolitikk, og vil ha innflytelse på de infrastrukturvalgene EU fatter. Norge har gode kort på hånden, men vi må se vår rolle i Europas gassforsyning i sammenheng med Russlands nordområdepolitikk, utviklingen av gassnettet i Russland og EUs ambisjon om å åpne en gasskorridor mot sør. I den sammenheng er det neppe likegyldig verken for EU eller Norge hvordan ny norsk gass finner veien til det europeiske markedet. Norges posisjon i det europeiske gassmarkedet vil svekkes betydelig dersom vi unnlater å videreutvikle ressurser og infrastruktur de neste årene. Det er selvsagt mulig å fatte beslutninger som bidrar til dette, men vi håper statsråden er enig med oss i at det ikke ville være til det beste for Norge og Europa. Norge ønsker å bidra til utviklingen av teknologi for fangst og lagring av CO2. Det er en ambisjon vi deler med EU. Både britene og italienerne skal fatte investeringsbeslutninger om fullskala renseanlegg for CO2 i løpet av tredje kvartal i 2011. Norges satsing på TCM blir mer aktuell av at også andre land ser fangst og lagring av CO2 som en mulig løsning på klimautfordringene. På lengre sikt planlegger EU en felles infrastruktur for Det er svært relevant for Norge å ta del i. Felles infrastruktur vil gjøre det mulig å utnytte verdikjeden i CO2 på en helt annen måte enn i dag. I Canada er man i dag i ferd med å bygge opp en felles rørledning for CO2 som gjør at nye utslippspunkter enkelt kan kople seg på, og at CO2-gassen deretter kan fraktes til et nettverk av kunder som kan benytte den til økt utvinning fra eksisterende oljefelt eller i produksjon der CO2 i dag Det endrer prisdannelsen på CO2. Der CO2 i dag i hovedsak utgjør et problem og en kostnad, vil en effektiv transportinfrastruktur også gi den en positiv markedsverdi. Norge har i tillegg betydelige muligheter til å lagre CO2 i Nordsjøbassenget. I flere europeiske land rapporteres det om motstand mot å lagre CO2 under strøk som er tett bebygget, til tross for at CO2 er en harmløs gass i alle andre sammenhenger enn klima. Mulighetene for å lagre CO2 i Nordsjøbassenget bør være en integrert del av EUs 2011 blir et viktig år i utformingen av fremtidens europeiske energipolitikk. Norge må delta. Foruten en aktiv europapolitikk forutsetter dette at regjeringen bestemmer seg for hva den nasjonale energipolitikken skal være. Over hele verden er energipolitikk satt høyt på den politiske agendaen. I Norge er situasjonen en annen. Sist regjeringen la frem en melding til Stortinget om energipolitikk, var i 2006. Den omhandlet fornybar energi, var på fire sider, og tiltakene ble trukket tilbake året etter. Når EU diskuterer de store linjene i energipolitikken, må også Stortinget ta debatten. Spørsmålene jeg håper vi får belyst i dagens debatt, er dels hvordan statsråden vurderer konsekvensene og mulighetene for Norge innenfor EUs energistrategi, dels hvilke posisjoner Norge vil søke å fremme i tiden som kommer, og dels hvilken strategi Norge har for å fremme og få gjennomslag for disse i EU. EU. EU vil gjennom året 2011 søke å konkretisere energistrategien i form av tiltak som i svært mange tilfeller vil være EØS-relevante. Norge er en del av det kontinentet EU er i ferd med å forme, og det er i begge parters interesse at Norge tar del i det politiske fellesskapet i Europa så langt det er mulig innenfor de begrensninger som følger av vårt selvpålagte utenforskap. For å si det med Jan P. Syse: Hvis ikke vi henger sammen,

at EU var i ferd med å forme et kontinent som Norge også er en del av, ligge. Det får vi ta senere; jeg trodde kontinentet var der. Men energipolitikken, den skal vi diskutere. Energipolitikken i EU har i løpet av de tre siste årene blitt intensivert. Vi har lagt merke til at EUs energiministre og statsledere har engasjert seg mer i overordnede energipolitiske spørsmål. De De spørsmål som representanten Astrup viser til, vil behandles på EUs toppmøte den 4. februar. Fra norsk side følger vi utviklingen av EUs energistrategi ut fra to ståsteder. For det første er Norge en viktig leverandør av energi og handelspartner til EU når det gjelder naturgass, elektrisitet og olje. Vi er en integrert del av EUs marked og det regionale nordiske elektrisitetsmarkedet. Jeg har en god løpende dialog med EU-kommisjonen. Senest i dag hadde jeg den belgiske visestatsministeren på besøk på mitt kontor, og vi diskuterte nettopp disse spørsmålene. For det andre er Norge gjennom EØS-avtalen forpliktet til å ta inn i avtalen relevant lovgivning på energiområdet. Overordnede vedtak kan i neste omgang lede til at nye forslag til direktiver og forordninger gjennom EØS-avtalen forpliktet til å ta inn i avtalen relevant lovgivning på energiområdet. Overordnede vedtak kan i neste omgang lede til at nye forslag til direktiver og forordninger blir gjenstand for forhandlinger i EU-systemet. Jeg ser det som en stor fordel at vi er tidlig ute når det gjelder å påvirke EU-prosesser – hvilket jeg oppfattet at representanten Astrup også var opptatt av. EU-kommisjonen la den 10. november 2010 fram et dokument med tittelen «Energi 2020 EU. EUs medlemsland har ikke konkludert ennå. Fra norsk side vil jeg vektlegge en offensiv holdning til de rådskonklusjoner som vil komme fra EU-toppmøtet den 4. februar, og fra energiministermøtet den 28. februar. Meddelelsen er bredere enn tidligere og med klarere prioriteringer. De overordnede mål for EUs energipolitiske tilnærming ligger fast og skal bidra til bærekraftig energiutvikling, konkurransedyktige og fungerende energimarkeder og til sikker energiforsyning. Siden representanten Astrup stiller spørsmålet om hvordan Norge kan bli en del av EUs energistrategi, er det her viktig å understreke Norges formelle EØS-utgangspunkt. Vedtakene om EUs energistrategi fattes nå i Det europeiske råd, som betyr at de mål og strategier EU vedtar, utgjør ytre rammer for våre mulig påfølgende EØS-forpliktelser. Vi er ikke direkte en del av politikkvedtakene om EUs energistrategi. Senere vil vi se på nye forslag med relevans for er sagt: Det er ikke formelle eller reelle restriksjoner på hvordan Norge og norske aktører kan påvirke prosessen framover i den tidlige fasen innen de rammer EØS-avtalen setter. Vi må være aktive i disse prosessene og fremme norske interesser der det er tjenlig. Meddelelsen fra Kommisjonen har som utgangspunkt at EU-landene ikke har levert tilstrekkelig i forhold til de overordnede målene, og Kommisjonen peker på at det trengs tydeligere prioriteringer og veivalg energisektoren. Jeg vil nevne noen eksempler som er av betydning for Norges nasjonale valg av strategi, i EØS-prosesser og for Norge som energinasjon. For det første slås det fast at det er et forbedringspotensial når det gjelder energimarkedene for elektrisitet og gass. Kommisjonen hevder at infrastruktur må moderniseres, bl.a. for å kunne absorbere økning i

Leveranser fra Norge utgjør 20 pst. av forbruket i EU. Naturgass er den minst karbonintensive kilden av fossile brensler. Norge trenger klare signaler fra EU om den framtidige rollen naturgass vil få for å oppnå EUs mål på klimaområdet, sikker energiforsyning og et fungerende marked. En god dialog med EUs institusjoner og nøkkelaktører er sentralt for å få dette til. Jeg vil fortsatt jobbe aktivt for å fremme naturgassens rolle i Europas energimiks. Fra norsk side har vi store interesser i hvordan EU utvikler et indre energimarked innen både gass og elektrisitet. Vi ønsker at EU kan rette opp eventuelle svakheter. Fra norsk side har vi vært tidlig ute med markedsreformer for elektrisitetsmarkedet, og vi er nå i ferd med å ta igjen den såkalte tredje energimarkedspakken i EØS. Jeg ønsker at våre aktører deltar aktivt i de nye mekanismene for samarbeid som er etablert gjennom det nye samarbeidet mellom energiregulatorene i det som kalles ACER, og mellom systemoperatørene for energinettverkene, det som kalles ENTSO. Jeg vil sammen med mine nordiske kolleger jobbe for at det nordiske regionale elektrisitetsmarkedet utvikles innenfor rammen av det europeiske kraftmarkedet. Ved å ha et mer integrert europeisk og nordisk kraftmarked reduserer vi sårbarheten i vårt kraftsystem, hvilket vi tydelig har sett behovet for den siste tida.

med vannkraftsystemets reguleringsevne, bidra her. Jeg hørte at representanten Astrup mente at å kalle det Europas grønne batterier var å ta hardt i. Jeg mener vi skal se offensivt på de mulighetene som ligger her, også mulige veivalg både i EU og i Norge. Vi er forberedt på å støtte EUs ambisjoner om å styrke satsingen på den fornybare energien. Oppmerksomhet om investeringer i infrastruktur for å bedre betingelsene for ny, fornybar energi er helt sentralt for EUs fornybarsatsing. Norges situasjon er unik i denne sammenhengen. Vi har en fornybarandel som ligger høyt over EU-gjennomsnittet. Norges andel av total fornybar elproduksjon i EU utgjør 23 pst. Vi drøfter nå med EU hvordan vi skal gjennomføre fornybardirektivet. Fra 1. januar 2012 vil Norge og Sverige ha et felles sertifikatmarked for stimulering av ny, fornybar elproduksjon. Dette er første gang to land koordinerer satsingen på fornybar elproduksjon gjennom et felles elsertifikatmarked. Det er dermed stor interesse også fra EU-siden for en etablering av dette markedet. Det ble fra Kommisjonens side lagt fram en infrastrukturpakke allerede den 17. november 2010 som en første oppfølging av energistrategidokumentet. Her er det Kommisjonens side lagt fram en infrastrukturpakke allerede den 17. november 2010 som en første oppfølging av energistrategidokumentet. Her er det mange elementer, bl.a. spørsmål som jeg nå refererte, inne. I denne pakken blir betydningen av infrastruktur for naturgass, offshore vind og elektrisitetsforbindelser med det nordiske markedet nevnt som viktig for EU. Jeg mener at Norge uten tvil også i framtida vil være en viktig aktør for utvikling av infrastruktur, som Kommisjonen framhever. Den 3. desember 2010 undertegnet jeg en samarbeidserklæring sammen med totalt ti land og EU-kommisjonen om å styrke samarbeidet om utvikling av rammer for offshore vind i Nordsjøen. Jeg har i mine kontakter mot Kommisjonen og med utvalgte EU-land lagt stor vekt på å utvikle samarbeidet om offshore vind. Jeg har hatt gode dialoger om temaet med både Storbritannia vind. Jeg har hatt gode dialoger om temaet med både Storbritannia – herunder Skottland, som er aktivt – og Nederland. Vårt nasjonale arbeid med lovgivning og strategier med offshore vind har kommet langt, og vi ønsker at dette regionale, internasjonale samarbeidet skal gi gode synergier med Jeg har notert meg at EU-kommisjonen og EUs medlemsland legger stadig større vekt på et annet politikkområde, nemlig energieffektivisering. I forslaget til energistrategi fra Kommisjonen er dette av høyeste prioritert. Det får vi komme noe tilbake til i den videre debatten i dag. Men som det framgår her, er det et bredt spekter av samarbeidsområder mellom Norge og EU på energi, områder som jeg mener det er i begges interesse å sørge for at vi videreutvikler framover.

i vår omgang med våre venner i Brussel, og ikke at vi skal vente til EU har fattet sine formelle beslutninger for deretter å avvente at de relevante sakene kommer inn i EØS-systemet, for så å havne hos oss. Da er toget gått for å være den aktive pådriveren for de løsningene vi ønsker oss. Det gleder meg at statsråden har en slik offensiv holdning. Så var det noen elementer som statsråden nevnte, som jeg gjerne skulle sett at han gikk litt nærmere inn på. Det ene gjelder infrastruktur, bl.a. for naturgass. Som jeg var inne på i mitt innlegg, er det ikke tilfeldig hvordan gassen i Norge finner veien til Europa. Hvordan ser statsråden på videreutvikling av den norske gassinfrastrukturen nordover, fra Nordland og nordover, slik at vi har en for å få gassen vår fra nord til EU, opp mot alternativene, som eventuelt er å sende gassen vår gjennom russiske rørledninger. Det var det ene. Det andre gjelder utviklingen av automatiske målere for strøm, AMS.

Statsråden nevnte også fornybardirektivet, som utvilsomt vil være viktig. Han kommenterte ikke pumpekraft. Det kunne vært interessant om statsråden kunne si noe om utviklingen av pumpekraft i Norge, og hvordan han stiller seg til det, hvilken betydning det vil få både for fornybardirektivet og for Norge som en del av det energimarkedet som vi er, i Nord-Europa først og fremst.

er av de tingene vi har erfart er viktig i forbindelse med å håndtere EØS-avtalen på de områdene hvor politikken går mellom EU og Norge. Vi må være tidlig ute, for det er da vi har best resultater i de enkelte prosessene. Det må vi fortsette med. Det ligger til grunn for veldig mye av det som formidles fra min side til f.eks. energiråden vår i Brussel. Når det gjelder spørsmålet om infrastrukturen til gass, var representanten mest opptatt av eventuelle forlengelser nordover. Jeg tror jeg kan svare ganske kort og presist når det gjelder eventuelle nye norske gassledninger: Det vil bli basert på kommersielle vurderinger. Hvis det er kommersielt grunnlag for å bygge nye gassrørledninger i Norge – enten de går nordover, vestover eller sørover – mener jeg at det er fornuftig å se på det. Situasjonen nå er jo at vi vi også ser på hvordan vi skal utnytte de rørledningene vi har. Representanten Astrup er vel kjent med diskusjonene om hvorvidt vi har nok gass til Kårstø, f.eks., i et halvlangt perspektiv. Så her vil det kommersielle grunnlaget – de funnene som blir gjort, og volumet som skal transporteres – være det jeg mener må avgjøre om man eventuelt setter i gang nye byggeprosjekter. Så er også LNG en konkurrent, hvis vi kan bruke det begrepet, utover det som representanten Astrup nevnte om russiske rørledninger. Vi ser jo at en ikke uvesentlig del av gasstransporten rundt omkring i verden nå foregår på den måten. Så gjelder det AMS. Til det vil jeg si at nettopp det å ha å ha en koordinert prosess med EU har ligget bak min og vår tenkning om dette så langt. Det ville være dumt å komme opp med løsninger i Norge som ikke var samkjørt med landene rundt oss. Derfor har vi også vært litt avventende med å forsere dette raskere enn det var grunnlag for. Den beslutningen vi tok i forrige uke, er basert på å kombinere de to hensynene – å kjøre en prosess som er felles med EU, på det viset at vi ikke ender opp med helt ulike standarder, samtidig som vi kommer raskt nok i gang i Norge. Representanten Astrup tar opp et viktig spørsmål om hvordan Norge skal forholde seg til EUs prosesser i energipolitikken. Jeg er veldig glad for at representanten

årene. EUs tredje pakke med energimarkedsdirektiver legger føringer for hvordan energimarkedene organiseres, også i Norge og i Norden. Norge er en stor leverandør av energi til EU. Norge er store i Europa innen både olje, gass og strøm fra fornybar energi. Statkraft er den største produsenten av fornybar energi i Europa, mye på grunn av vannkraften. Det er klart at Norge har interesse i å følge med på hva EU gjør på energiområdet. EU gjør på energiområdet. EUs energipolitikk er i støpeskjeen, og det er viktig at Norge følger med. Det er også viktig å være klar over at Norges forhold til EU når det gjelder konkrete direktiver, er regulert gjennom EØS-avtalen. Vi får de direktiver som er relevante for det indre markedet, men er ikke i utgangspunktet involvert i utarbeidelsen av de overordnede dokumentene til EU, noe som representanten Astrup og jeg er smertelig klar over. Vi skulle ønsket at det ikke var slik, men vi forholder oss til situasjonen. Og jeg er veldig glad for at statsråden understreker så tydelig at det ikke skal bety at vi ikke følger det arbeidet som gjøres i EU, nøye. Norge spiller en viktig rolle for EUs energiforsyning, og EU spiller en veldig viktig rolle for vår energiforsyning. Vi samarbeider nært med våre naboland, både i Norden og i EU, om utvikling av kraftmarkedet slik at vi kan utveksle strøm mellom landene. Vi har sett i vinter hvor viktig det er at vi er knyttet til omverdenen. Det er veldig viktig at vi følger prosessene, ikke bare i kommisjonen og EU-parlamentet, men også i ACER og ENTSO-E, som er EUs organisasjoner for henholdsvis regulator og nettselskap. Vi er, sammen med våre nordiske naboland, en integrert del av det europeiske kraftmarkedet. Derfor er det viktig at vi også jobber for at NVE og Statnett får delta for fullt i sine europeiske paraplyorganisasjoner, og det er gledelig at Statnett nå sitter i styret i ENTSO-E. EU har satt seg ambisiøse mål for å øke andelen strøm fra fornybare energikilder gjennom Regjeringen har uttalt at dette direktivet er EØS-relevant og er i forhandlinger med EU – slik også statsråden sa i sitt innlegg – om de konkrete målsettingene for Norge. Strøm fra vindkraft er i utgangspunktet uregulerbar, altså at det produseres strøm når det blåser, enten du vil det eller ei. Tilsvarende produseres det ikke strøm når det ikke blåser, enten en vil det eller ei. Dette stiller store krav til balansekraft. Her kan Norge spille en viktig rolle i å levere svingkraft til EU og slik bidra til å balansere den store mengden vindkraft. Vannkraft er en optimal kraftkilde til å balansere vindkraft, og det er stor interesse også i EU for en slik framtidig rolle for Norge. Det er derfor avgjørende at Norge deltar når det diskuteres nye nettforbindelser i EU, slik Statnett er i ENTSO-E. Jeg vil også framheve at Norge deltar i samarbeid med flere EU-land i arbeidet med det såkalte Nordsjønett. Norge er ikke med i EU, og derfor er det naturlig nok begrensninger knyttet til vår Dette betyr ikke – slik statsråden veldig tydelig sier – at vi skal føre en passiv europapolitikk. Det er avgjørende at Norge har en aktiv holdning til de prosesser som foregår i EU på energisiden, og det oppfatter jeg at vi har i dag. Når det gjelder deltakelse i EUs energistrategi, henviser jeg til statsråden som slo fast fra talerstolen her i stad, at mange av de sentrale prioriteringer som EU-kommisjonen har foreslått for det indre energimarkedet, infrastruktur både for el og gass, offshore vind, fornybar energi, energieffektivisering og teknologisatsing, kan spille godt sammen med våre framtidige nasjonale veivalg og norske strategier. Statsråden sier at vi har veldig gode kanaler inn for å påvirke prosesser, både gjennom vår dialog med EU og de regulære EØS-prosessene. Han er veldig tydelig på at han også vil fremme naturgassens rolle i framtiden, også når det gjelder infrastruktur for å føre gassen nordover eller sørover. Jeg er glad for denne tydelige talen og for de offensive grep som statsråden og regjeringen tar i dette arbeidet.

Dersom vi skal kunne spele denne viktige rolla, er det heilt avgjerande at vi har tilstrekkeleg og sikker nettkapasitet til Europa. Derfor er også infrastruktur eit viktig tema i den debatten interpellanten her tek opp. I februar 2010 hadde vi ein interpellasjon om «supernett» til Europa her i salen. Same dag vart det underteikna ei avtale mellom Noreg og nordsjølanda om eit samarbeid om å greie ut eit Det vart også underteikna ei avtale 3. desember 2010 mellom partane i The North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative, der Noreg også er med. Det er positivt at regjeringa følgjer opp, men det hadde også vore spennande å høyre kva for konsekvensar statsråden meinar utviklinga av eit slikt offshorenett i Nordsjøen vil ha for utviklinga av nettet i Noreg for dei andre planane om utanlandskablar som vi har sett i det siste. Det hadde også vore interessant å utfordre statsråden på i kva tempo ein ser for seg ei slik utbygging. Noreg har stort potensial for produksjon av fornybar energi, og det er store planar for ny produksjon av fornybar energi. Regjeringa si klimamelding og klimaforliket på Stortinget frå januar 2008 viser til at Noreg innan 2016 skal realisere 30 TWh ny fornybar energiproduksjon eller energibruk. Det eksisterer i dag kjende gasskraft- og vindkraftprosjekt som kan stå for ein årsproduksjon på mellom 40 og 50 kvar dersom alt dette blir realisert og produserer for fullt. I tillegg er der kjende planlagde vasskraftprosjekt tilsvarande om lag 12 TWh årleg produksjon, og prosjekt innan varme tilsvarande 5 TWh årleg produksjon. NVE slår fast at det er vidare at det er meldt ca. 35–40 TWh vindkraft. NVE seier dessutan at 25 TWh bioenergi, medrekna 4 TWh avfall, er tilgjengelege utan å ta ressursar frå treforedling. NVE slår òg fast at innan 2020 vil kraftbalansen i Norden vise eit overskot på 30–40 TWh årleg produksjon. Av dette vil Noreg kunne ha eit overskot på opptil

begge deler kan bidra til å løse klimaproblemene, og begge deler gir verdiskaping for det norske samfunnet.» Eg har tru på Hydro og på framtidig norsk foredling. Vindmøllene har som kjent ikkje moglegheit for å lagre energi. Dermed kan heller ikkje produksjonen frå desse regulerast opp eller ned i takt med prisnivå og etterspørsel i marknaden. Noreg vil – med våre effektive moglegheiter til å regulere produksjon frå vasskraftmagasina – kunne importere billig kraft i løpet av natta. Det bør kraftkrevjande industri, med døgnkontinuerleg skift, kunne utnytte. Faktisk har denne energien vore så billig sist haust at spotprisane har vore negative til tider, og vi har betalt for å kjøpe krafta. Med større kapasitet til og frå Europa vil dette også ha innverknad på prisnivået her heime, og det er tydeleg å registrere at det er mindre skepsis til fleire kablar mellom Europa og Noreg også på grunn av prisen. Dette er kanskje bakgrunnen for at leiaren i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, har uttrykt seg positivt til ei styrking av kabelsambandet til utlandet. Dersom vårt mål er at Noreg skal vere ei energistormakt som utnyttar dei industrielle moglegheitene vi har innanfor produksjon av fornybar energi, er auka kapasitet på utanlandssambandet ein grunnleggjande og nødvendig føresetnad, og då blir det viktig å sørgje for at Statnett og andre så fort som mogleg får gjort investeringar i nye kablar til Europa.

over. Jeg ønsker at vi skal ta gode grep for å fortsette et godt og tett samarbeid med Europa for å være deres energileverandør. Det er viktig at vi utnytter den gassinfrastrukturen som vi har investert utallige milliarder kroner i, og som har lang levetid. Og det er viktig at Norge framhever gass som en del av framtidens energiform. Vi må ikke stille oss i en situasjon der norsk politikk gjør at gass framstår som mindre attraktiv, og at vi dermed ødelegger vår egen gullgruve. For det er slik vi kan oppfattes ute i verden, når vi tjener oss gode og rike på å produsere gass, men der det i norske selskap eid av staten nå nedlegges forbud mot å kunne investere i bruk av gass i utlandet, f.eks. forbudet Statkraft har fått mot å investere i flere gasskraftverk i Europa. Det er med på å ødelegge markedet for norsk gass i framtiden. framtiden. Selv om det ikke nødvendigvis betyr de store inntektstapene for staten at Statkraft ikke får investere i gass, vil det bety veldig mye hvis Europa begynner å se seg om etter både andre energikilder og andre energibærere, og andre leverandører av gass. Det synes jeg vi skal ha i minne når vi i klimaets navn prøver å være verdens beste på hjemmebane. Konsekvensene kan være større enn vi aner. Men også på fornybar energi har vi en stor framtid. EU har også store planer. I stor framtid. EU har også store planer. I Tyskland i dag er vind den energiformen som har størst installert kapasitet. Det betyr at når det blåser godt over hele Tyskland, produserer de mer vindkraft enn de produserer brunkull, kjernekraft eller gasskraft separat. Det betyr at de har et betydelig effektbehov Det gir store utfordringer i energibalansen deres, men det gir også store utfordringer for hele EU-systemet, som skal satse stadig mer på vindkraft. Den utfordringen vil også Storbritannia få hvis de realiserer de store havvindmølleplanene de har. Det gir et godt potensial for norsk vannkraft, og det bør vi utnytte. AS Norge, for å bruke den betegnelsen, kan tjene gode penger på å selge vannkraft når prisen er høy, og forsyne seg selv med billig vind den prisen er lav. Ved å bruke teknikken med pumpekraftverk kan vi fylle vannmagasinene. Vann er en av de beste måtene i dag å lage større mengder elektrisitet på. Derfor er tanken om og debatten rundt å være Europas batteri veldig god. Det tror jeg også vi er rimelig enige om i denne sal. Men jeg savner en mer grunnleggende debatt om hvordan dette skal gjennomføres i praksis. For vi vet også at det jobbes med å utvikle andre energiteknologier, heldigvis kan vi vel si – gasskraftverk som kan startes opp raskt, men som kan gjøre at verdien av gass opprettholdes, mens verdien av vannkraft ikke blir den store vi ser for oss, fordi at en, i mangel av at Norge gjør de nødvendige grepene raskt nok, heller bygger opp en armada av hurtigstartende gasskraftverk. Her er det veldig mange brikker som ikke er på plass. Vi skal ikke ta sorgene på forskudd, men det er noe vi må være oppmerksom på. Samtidig så raskt som mulig, må vi også ha norske forbrukere med i tankene. Sett ut fra Fremskrittspartiets perspektiv er vannkraft et gode norsk industri, norsk næringsliv og husholdningene skal nyte godt av. Jeg tror det er vanskelig å få politisk aksept, uavhengig av partifarge, hvis norske forbrukere ser at en her bruker norske naturressurser for å fylle statskassen og forsyne Europa med strøm, mens det er norske forbrukere som må betale prisen. Derfor må vi jobbe fram og få en aksept for at vi skal ha Europas batteri gjennom å ha akseptable kostnader på hjemmebane. Det betyr at mens vi bygger ut mer eksportkapasitet til utlandet, må vi også bygge ut mer vi også bygge ut mer produksjonskapasitet på hjemmebane. Vi må også se på hvordan vi kan stimulere vår leverandørindustri til å bli bedre til å levere teknologi og tjenester når Europa skal bygge ut andre fornybare ressurser, slik som havvindmøller. Der kan vi gjøre mye, men da er det viktig at vi hjelper dem med teknologiutvikling og ikke lar dem vente på at vi skal utvikle havvindmøller til … Statsråden har gitt en grundig og god Statsråden har gitt en grundig og god redegjørelse om Norges arbeid og posisjoner i forhold til EUs energipolitikk. Det viser at vi har en regjering som har en aktiv holdning til spørsmålene i EU-kommisjonens energipolitiske meddelelse. Norge er en viktig partner for EU når de skal meisle ut sin energi- og klimapolitikk. Vi skal bruke vår rolle som energipolitisk stormakt i europeisk sammenheng til å få gode og offensive løsninger på klima- og energiproblemene i verden. Europa må gå i front for å få det til, og vi skal være pådrivere for at det skal kunne skje. Jo mer fornybar energi Norge produserer, jo mer bidrar vi positivt til utviklingen i hele EU-systemet. Norge er en energistormakt, og det skal vi fortsatt være. EU prioriterer bl.a. fornybar energi og offshore vind, som flere har sagt her. Som Senterpartiet har tatt opp en rekke ganger fra denne talerstol, har Norge unike muligheter i kraft av våre fantastiske naturressurser. Det fysiske potensialet for havvind er bl.a. enormt. Senterpartiet er opptatt av den unike kompetansen vi har innenfor vannkraft, bioenergi og Vi har de beste muligheter til å stå overfor en vinn-vinn-situasjon: norsk næringsutvikling og sterk delaktighet i Europas oppnåelse av klimamålene. Denne muligheten må vi gripe med begge hender. Slik bygger vi også grunnlaget for at Norge er en energistormakt selv etter at oljen tar slutt. Jeg har lyst til å peke på to eksempler på at arbeid som gjøres i Norge, kan være mulige modeller for andre. Eksempelvis er satsingen på energieffektiviseringen gjennom Enova lagt merke til langt utover Norges land. Det samme gjelder avtalen med Sverige om et felles grønt sertifikatmarked, som statsråden også nevnte. Dette er første gang to land koordinerer satsingen på fornybar elektrisitetsproduksjon gjennom et felles elsertifikatmarked, og dette kan tjene som modell for flere. I Europa bygges det nå ut økende mengder uregulerbar kraft. I dette perspektivet har Norge enda et fortrinn som vi må ivareta i vårt arbeid med å påvirke de pågående prosessene i EU. Vår vannkraft er regulerbar. Der produksjonen av uregulerbar kraft tikker og går jevnt hele døgnet og eventuelt er prisgitt om det blåser eller ei, kan vi i Norge velge å produsere mye kraft i perioder på døgnet der behovet er stort, og eksportere tilleggslast til utlandet når de trenger det. Motsatt kan vi bokstavelig talt skru igjen kranene når forbruket er lite i utlandet, og importere kraft tilbake igjen når utlandet har lavt forbruk. Norge har tett energimessig samhandling med EU gjennom fornybar og annen energiutvikling. Senterpartiet er som kjent ingen tilhenger av norsk EU-medlemskap, men vi er for et sterkt internasjonalt samarbeid mellom selvstendige stater. Norge har i dag et nært samarbeid med EU på en lang rekke politikkområder, der energiområdet, som vi ser, er en viktig del. Utfordringene vi står overfor, krever samarbeid på tvers av kontinenter, noe som fungerer godt uten unionsmedlemskap. Vi har også vist at det er mulig å reversere pålegg fra EU som ikke samsvarer med norsk oppfatning av god ressursforvaltning og samfunnsutvikling. Kampen om nettopp hjemfallsretten er et godt eksempel på det.

Jeg har lyttet til statsråden og hans ord om å ha en aktiv holdning til de prosessene som skjer i EU. Det er klart at vi i dette landet betaler en pris for å stå utenfor EU og bare være tilsluttet gjennom EØS-avtalen. Det betyr at vi på mange måter ikke har den samme muligheten til å være med i prosessen, være med i de lukkede rom der beslutninger tas. tas. Fra mitt ståsted vil jeg si at det er en stor ulempe innenfor energiområdet, fordi Norge, som flere har vært inne på i dag, er en stormakt innenfor energiområdet og EU er vårt viktigste marked. Det at vi står utenfor EU, betyr også at vi frasier oss muligheten til å påvirke dette viktige markedet fra innsiden, noe et medlemskap ville gjort. Men vi må selvfølgelig forholde oss til at vi er tilsluttet gjennom en EØS-avtale, og gjøre det beste ut av det. Men det er klart – et medlemskap ville gitt oss en helt annen mulighet til påvirkning av dette markedet, som kanskje er vårt viktigste innenfor energiområdet. Interpellanten, og også andre, har tatt opp gass og betydningen av gass i et miljøperspektiv. Med halve utslippene av det kull representerer er det klart at i den grad EU bruker mer naturgass, vil en også kunne bidra effektivt til reduserte klimautslipp. Norge, som en stor leverandør av gass inn til Europa, konkurrerer bl.a. på den stabiliteten vi har, nærheten til Europa, men også stabilitet når det gjelder leveranser. Vi har en høy troverdighet som en stabil leverandør av gass til Europa. Det inntrykket EU har av Norge som en pålitelig og stor gassleverandør, er det viktig at de fortsetter å ha. Det betyr at vi fra norsk side også må kjenne vår besøkelsestid når det gjelder de signaler vi gir til EU om at vi også i

skal skje fremover i viktige områder nordover når det gjelder olje og gass. Det betyr at vi fra norsk side sender noen vage signaler til EU om vi også i fremtiden vil være en stor gassleverandør på det europeiske markedet. Jeg vil derfor oppfordre olje- og energiministeren – i den grad han kan – til på vegne av Norge og regjeringen å være en aktiv pådriver for at vi nå får åpnet nye leteområder i nord, i attraktive områder der vi må påregne at det ligger olje- og gassressurser. EU og Russland ser på muligheter for gasstransport sørover, er det også viktig å gi et tydelig signal fra olje- og energiministeren om at vi ønsker at det skal foregå transport langs vår kyst fordi vi ønsker å videreutvikle felt som ligger i nord og på norsk side. Her er det en del tog som går og beslutninger som tas i nær fremtid. Det betyr at vi ikke nødvendigvis kan avvente beslutninger om hva vi vil når det gjelder olje- og gassutvikling i nordområdene våre, og hva vi vil når det gjelder gassinfrastruktur i nordområdene, særlig lenge, for da risikerer vi at vi mister en del muligheter på vegne av energinasjonen Norge. Jeg vil oppfordre olje- og

nemlig hvordan han ser på utviklingen av pumpekraft i Norge, hvilke konsekvenser det eventuelt vil få for fornybardirektivet, og hvilke eventuelle tilpasninger vi må gjøre hjemme for å realisere et slikt potensial. Når det gjelder fornybardirektivet, kunne det også være interessant å høre noe mer om når vi kan forvente at det landes, og hvilke konsekvenser det da får for Norge. Jeg har forståelse for at statsråden kanskje ikke kan svare på det akkurat nå, men Det er også interessant i det perspektivet at det fra EU meldes om at EU-landene vil innfri sine forpliktelser i fornybardirektivet, slik det ligger an nå. Da er spørsmålet i hvilken grad statsråden mener det vil være behov for den kraften som Norge ønsker å tilby inn i Europa, og om man har sett noen signaler fra EU i den sammenheng.

Så har mange representanter vært inne på interessante temaer, representanten Lødemel, bl.a., om utviklingen av offshorenettet i Nordsjøen og hvilke konsekvenser det vil få for utbygging av linjer i Norge. Det er et perspektiv jeg håper at statsråden griper fatt i i sitt neste innlegg. Så er jeg enig med statsråden når han sier at det må ligge kommersielle hensyn til grunn for hvordan vi utvikler rørnettet videre for gass – det sier seg selv. Men skal vi fylle rollen vår som gassleverandør til Europa på det nåværende nivået, er vi avhengige av å fylle på med mer gass i disse rørene. Da er vi også avhengige av å avklare hva som skal skje med nye felt. Jeg håper statsråden vil lande på riktig konklusjon i den saken. Nå er vi jo bare tilhengere her i denne sal, så da kunne kanskje

til rett og slett å avslutte med å si takk til alle som har deltatt i debatten. Det er konstruktivt at vi har denne debatten når EU ennå ikke har landet sine synspunkter. Jeg håper vi kan fortsette med det i året som kommer, etter at EU legger frem sine perspektiver, at vi også i denne sal debatterer de viktige sakene som kommer fra Brussel. Hadde jeg forstått at det var spørsmål om Lofoten og Vesterålen som representanten Astrup tok opp i sitt forrige spørsmål, skulle jeg selvsagt svart på

det å bygge nett rundt Norge og mellom nordsjølandene, som både representanten Lødemel og flere andre tok opp, jf. det jeg sa om initiativet som er tatt på nordsjølandenes vegne det siste året, er jeg en stor tilhenger av det. Så tror jeg samtidig at vi må ha to tanker i hodet samtidig her. Det vi mener når vi snakker om når vi snakker om europeisk supernett, er et nett bygd for andre kapasiteter, en annen produksjon, enn det vi snakker om i dag. Vi skal bygge kabler, vi skal sørge for kraftutveksling mellom europeiske land, inkludert Norge, også – jeg får si, litt uavhengig av det – framover, men det er andre nivåer, andre størrelser vi da diskuterer. Så når vi snakker om dette store supernettet, er jo det noe som primært henger sammen med stor utbygging av offshore vind. Da får vi, som representanten Olsen helt riktig var inne på, produksjon som er på et annet nivå enn det vi snakker om i dag, og det må håndteres deretter. Så var representanten Meling opptatt av og oppfordret til å ha ulike standpunkter, handlingsmønstre overfor EU.

av temaene. Budskapet mitt der var at Norge skal være en sikker og pålitelig leverandør av gass til det europeiske markedet i framtida. Jeg har ennå til gode å høre noe fra våre venner i andre europeiske land som tyder på at ikke det er et oppfattet budskap – at ikke Norge blir sett på nettopp som en trygg, solid og skikkelig leverandør av gass. Norsk gassproduksjon har vi ambisjoner om å holde på dagens nivå, og øke framover. Det er også noe jeg meddeler til mine kollegaer fra EU-land. Så er det jo da sånn – på tross av hva representanten Meling sa – at vi faktisk har åpnet nye områder. Nå har vi satt i gang en åpningsprosess rundt Jan Mayen. Det begynner å bli veldig lenge siden sist en regjering gjorde noe tilsvarende. Jeg er glad for at vi har gjort det, og jeg mener at det, i kombinasjon med det som gjøres på Island, og det som gjøres på Grønland, viser nå et initiativ – i og for seg flere initiativ – som tar inn over seg de mulighetene som ligger i disse områdene. Det er viktig at vi alle formidler det som en del av en offensiv politikk fra Norges side, også på den delen av energiområdet. Debatten i sak nr. 6 er avsluttet. Med tanke på forrige debatt: Hvis statsråden heller vi gi oss fasiten til regjeringen når det gjelder Lofoten og

så skal han få bruke all sin taletid i denne debatten uten å få kritikk fra undertegnede! Han er blant venner blant tilhørerne i dag. Temaet jeg tar opp, er kraftsituasjonen. Statsråden varslet at 2011 trolig ville bli verre enn 2010. Det gjorde han forrige vinter. Jeg delte, og deler, denne virkelighetsoppfatningen, og mente vi måtte bruke tiden fram til 2011 til i hvert fall å gjøre det vi kunne for både å unngå en krise og å få avbøtende tiltak på plass slik at en eventuell krise ble minst mulig smertefull. Dessverre fikk statsråden rett i sine forventninger. Jeg vil ikke på noen måte påstå at han ønsker dagens situasjon, men det er likevel en konsekvens av den politikken som har blitt ført – ikke bare av denne regjeringen og ikke bare av denne statsråden – over lang tid i Norge. Vi har en statsminister som både har utelukket gasskraft på linje med andre land, som også har utelukket større vannkraftutbygginger og som var energiminister i 1995 da man begynte å spå et kraftunderskudd. Så dagens statsminister er egentlig den som i størst grad har hatt en finger med i det spillet vi dessverre nå ser. Strømprisene har gått i været, og det er veldig mye oppmerksomhet rundt dette i media. Mange varsler at strømregningen vil bli 2 000–4 000 kr høyere for folk med et gjennomsnittlig forbruk. Vi har også sett at beredskapssjefen i Møre og Romsdal har gått ut i media og vært svært bekymret og ønsket alle mulige tiltak iverksatt, alt fra å stenge ned industri til å starte opp de mobile gasskraftverkene, for, som han sier, rasjonering

Dessverre, må jeg si, virker regjeringen relativt dårlig forberedt på denne situasjonen til tross for energiministerens advarsler for et år siden. Det synes jeg egentlig er litt spesielt, siden energiministeren var veldig tydelig i en kraftdebatt vi hadde forrige vinter. Når en leser nasjonalbudsjettet for 2011, ser en at regjeringen skriver at den anslår at strømprisene i 2011 vil være om lag uendret i forhold til 2010. En ser altså ingen varsler om prisøkning. Det er ganske spesielt, all den tid statssekretæren i Finansdepartementet, SVs Roger Schjerva, i NRK Dagsrevyen forrige uke var ute og sa at kommunene måtte forstå og vente at strømprisene i år ville bli høyere enn i fjor. Derfor kunne de ikke forvente noen utstrakt hånd fra regjeringen med tanke på at de fikk en strammere kommuneøkonomi med høyere strømpriser.

Dette er tiltak som har kommet på plass etter at jeg leverte en interpellasjon. Regjeringen skal ha honnør for det. Men det bekrefter samtidig at regjeringen ikke ventet at denne situasjonen skulle oppstå og at en ikke hadde den under kontroll, fordi både Enova-støtte og bostøtte var et tema da statsbudsjettet ble behandlet og i forslag som ble diskutert i Stortinget 16. desember – og regjeringspartiene stemte da imot. men det vitner om at en ikke forutså situasjonen på samme måte som opposisjonspartiene. Relatert til dette har også energiministeren kommet med noen utspill den siste uken. En har framskyndet prosjektene rundt AMS, eller toveiskommunikasjon, med noen utspill den siste uken. En har framskyndet prosjektene rundt AMS, eller toveiskommunikasjon, automatisk måleravlesning. Det er veldig bra. Det varslet også Bondevik-regjeringen om i krisepakken sin i 2003–2004. Vi er veldig glad for at det er blitt framskyndet etter å ha blitt utsatt en rekke ganger. Det som likevel er et poeng, er at beregninger som Fjordkraft har gjort, eller som Fjordkraft i hvert fall har presentert, viser at med dagens strømpriser i i Norge, med de prisvariasjonene som er i døgnet, ville en gjennomsnittshusholdning spart 45 kr i året på å ha toveiskommunikasjon. Det gir ikke den store stimulansen til å vaske klær om natten i stedet for om dagen hvis besparelsen er knapt en krone i uken. Derfor skal vi ikke ha for store forhåpninger til at dette løser noen situasjon, selv om det gir et viktig Utspill om månedsfakturering, som også har fått stor oppmerksomhet, er for så vidt hyggelig for folk som ikke klarer å styre sin økonomi. Men det er ikke en bedring av økonomien til privathusholdninger, fordi strømregningen blir ikke lavere totalt sett. Og vi skal huske at i stort sett alle bransjer i dette landet kan en betale for å utsette betalingen sin. Mange betaler gjerne 250 kr for å slippe å betale for møbelkjøpet sitt de neste ni månedene.

tatt opp, var regjeringen imot en energimelding. Nå er den for, og det er bra for de langsiktige tiltakene som trengs. Jeg skal ikke gå nærmere inn på dem, men på det å kunne gjøre noe på kortere sikt for å bøte på effektene. Bostøtte er bra, men det er ikke tilstrekkelig. Veldig mange husholdninger, gjerne enslige pensjonister med nedbetalte hus, men ikke nødvendigvis med veldig god kontantstrøm, vil ikke kunne kvalifisere for bostøtteordningen. Her vil en elavgiftsreduksjon være et bidrag, selv om det ikke vil oppveie for de prisøkningene de opplever. Derfor har Fremskrittspartiet foreslått at elavgiften skal kunne brukes. Jeg minner om at elavgiften ikke omfatter hele det norske markedet, hele det norske markedet, og at det norske markedet bare er en liten del av det nordiske markedet. Når regjeringspartiene forsøker å si at en elavgiftsreduksjon vil gi en tilsvarende prisøkning på strøm, har de bevisbyrden på sin side. Så lenge priselastisiteten på strøm er på -0,4, er det altså en veldig liten respons. Neste punkt gjelder kommunene. Jeg vil gjerne høre hvordan regjeringen ser på dette at vi nå opplever kutt i tjenestetilbudet i kommunene. Når

tanke som ligger til grunn for denne prioriteringen fra regjeringen, når dette skal være med og bedre kraftforsyningen i landet. Det må jo bety at en generelt synes at de bedriftene som stenger ned, ikke gir et veldig stort samfunnsøkonomisk bidrag – når det egentlig er bedre å stenge dem enn å starte opp kraftproduksjon. Jeg vil også gjerne utfordre regjeringen med hensyn til turbin nr. 2 i kraftvarmeverket på Mongstad som i dag ikke er i bruk, men som kunne ha vært Hva har regjeringen gjort for å få tatt den i bruk, med tanke på at kraftbalansen er så stram som den er? De mobile gasskraftverkene skal jeg ikke ta opp i denne debatt, de hører litt inn under industrien, men statsråden kjenner godt Fremskrittspartiets synspunkter på dette. Vi mener disse skulle vært tatt i bruk på et langt tidligere tidspunkt, for å bidra til å rasjonere på vannet. Når det er vann vi mangler i magasinene,

men at det trengs noen avklaringer fra regjeringen. Jeg ønsker ikke å utfordre regjeringen på å komme med disse løsningene i dag, men jeg håper en ser på dette med åpne øyne og med en positiv holdning, slik at både norsk gass og mer vannkraft kan brukes i Norge, og at de andre nye fornybare energikildene kan tas i bruk – med tanke på en langsiktig løsning. Kraftsituasjonen og de kraftprisene vi opplever, er

energipolitikken. Det er fundamentalt for norsk kraftforsyning at nær 100 pst. av all kraftproduksjon er fra vannkraft. Vannkraften gir oss en unik tilgang til ren fornybar energi, men temperatur, nedbør og tilsig kan variere fra år til år, og dermed også vannkraftproduksjonen. Systemet medfører også at prisen på strøm varierer mellom sesonger og år. Vanligvis er prisen lav om

og at store deler av svensk kjernekraftproduksjon uventet var ute av drift. Kombinert med lite snø i fjellet og en tørr vår førte dette til at magasinene hadde et dårligere utgangspunkt for vinteren 2010 enn tidligere år. Hele 2010 var det kaldeste året på 70 år. Nettotilsiget i 2010 var på 100 TWh. Dette er 23 TWh mindre enn normalt. 100 TWh utgjør ca. tre fjerdeparter av det årlige forbruket i Norge – kun tre fjerdeparter, kunne jeg lagt til. Løsningen på den stramme kraftsituasjonen som vi nå opplever, må finnes i tiltak på både lang, mellomlang og kort sikt. Av tiltak på kort sikt vil jeg kort nevne tilskuddsordningen for husholdninger, som regjeringen har styrket med 70 mill. kr ekstra i 2011. mot tiltak som begrenser avhengigheten av strøm til oppvarming. Dette er gode tiltak som er rettet inn mot den enkelte husholdning. Denne ekstraordinære bevilgningen innebærer nesten en tredobling av satsingen på dette området i 2011. Jeg vil særlig oppfordre folk i områder med en anstrengt kraftsituasjon om å søke om midler fra I statsråd 17. desember ble det vedtatt å gi Statnett dispensasjon fra vilkårene i anleggskonsesjonene for bruk av de mobile gassfyrte reservekraftverkene på Tjeldbergodden og i Nyhamna. Samtidig ble utslippstillatelsene midlertidig endret. Begge vedtak er gjeldende for ukene 1–20 i 2011. Dispensasjonen og den midlertidige endringen av utslippstillatelsene gjør at anleggene også kan tas i bruk ved eventuelle feil og i vanskelige driftssituasjoner, og dermed være med på å motvirke tvangsmessig utkobling av forbruk. Dette er således et viktig tiltak for forsyningssikkerheten i området. Jeg vet at mange bekymrer seg for strømregningen som kommer i disse dager. Jeg har tidligere oppfordret kraftleverandørene til å være behjelpelige overfor kunder som ønsker å dele opp regningene sine. Jeg er enig med representanten Solvik-Olsen i at det ikke blir lavere kostnader av dette, totalt sett, men jeg vet at mange leverandører tilbyr dette og mener at det men jeg vet at mange leverandører tilbyr dette og mener at det bidrar til at alle kunder får en bedre oversikt over strømutgiftene sine i perioder med store svingninger. Regjeringa har også foreslått en ekstrautbetaling av statlig bostøtte. Saken er forelagt Stortinget. Vi vet at en familie på fem da vil få utbetalt mer. Den utbetalingen vil komme i begynnelsen av mars. Jeg mener at det er et målrettet tiltak som husholdninger med en stram økonomi både vil glede seg over og reelt sett ha nytte av. I tillegg til dette har jeg også sørget for å framskynde prosessen med innføring av AMS. Jeg vil be NVE stille krav til at 80 pst. av forbrukerne i Midt-Norge skal få installert AMS innen utgangen av 2013, og 80 pst. i landet for øvrig innen utgangen av 2015. Jeg har stor tro på at intelligente strømmålere og bevisste forbrukere vil gi lavere energibruk uten at det går på bekostning av komforten. Dette er et bra tiltak både for forbrukerne og for samfunnet som helhet. Det er viktig med tiltak på kort sikt, men for å få til de varige forbedringene og nå målet om en lik, forutsigbar strømpris i hele landet,

på hele 8,3 TWh årlig produksjon. Energieffektivisering og energiomlegging i husholdningene er veldig bra, på den måten at det bidrar til bedre energibalanse og reduserer avhengigheten av strøm. På produksjonssiden skjer det også mye. Vi skal etablere et felles elsertifikatmarked med Sverige. det også mye. Vi skal etablere et felles elsertifikatmarked med Sverige. I den perioden vi har lagt bak oss, 2006–2009, ble det gitt tillatelser til prosjekter med forventet produksjon på om lag 6 TWh per år, nesten dobbelt så mye som i foregående periode. Jeg vil også trekke fram at vi nå ser resultater av satsingen på konsesjonsbehandlingen av småkraft. I 2010 avgjorde NVE 101 saker, noe som f.eks. er en noe som f.eks. er en firedobling sammenliknet med seks år tidligere. Men det som er enda viktigere enn at det er gitt konsesjon til mange prosjekter, er at det er mange som er satt i drift. I perioden 2006–2009 ble det satt i drift prosjekter med en forventet produksjon på 3,5 TWh per år. Nettutbygging er det viktigste tiltaket for å redusere store og langvarige prisforskjeller og sikre at alle landets regioner har en tilfredsstillende forsyningssikkerhet. Statnett planlegger å investere opp mot 40 mrd. kr på utbygging og oppgradering av nytt strømnett i Norge fram mot 2020. Det er store satsinger, og det er satsinger som kommer til å bety en forskjell. Vannkraftressursene er ujevnt fordelt mellom landets regioner er heller ikke lokalisert i nærheten av de store forbrukssentrene. Dette gjør det ekstra nødvendig med et robust og velutbygd kraftnett. Kraftproduksjonen varierer også fra år til år, avhengig av tilsig, som jeg var inne på tidligere. Gjennom overføringsforbindelsene både internt i Norge og ut av landet reduserer vi kraftsystemets sårbarhet for disse variasjonene. Vi har erfart at nettutbygginger, spesielt de større ledningene, kan være kontroversielle. Jeg har stor forståelse for at det er stor oppmerksomhet rundt de lokale miljøvirkningene av nettutbygginger, men all energibruk har miljøkonsekvenser. Jeg mener helt klart at hvis vi skal ha tilfredsstillende forsyningssikkerhet og nå våre ambisiøse fornybar- og klimamål, må vi også akseptere inngrep i landet vårt, for å si det på en enkel måte, knyttet til utbygging av fornybar energi. Det hjelper ikke å kjøpe ny bil hvis det ikke er veier å kjøre bilen på. Statnett vurderer nå kraftsituasjonen i store deler av Norge som stram. Norden og store deler av Norge er avhengig av import av kraft. Vi er derfor mer sårbare for feil på nordiske kraftverk og overføringsanlegg enn vanlig, men sannsynligheten for at kraftsituasjonen i løpet av vinteren skal by på store problemer, vurderes ikke som stor. Det er ifølge Statnett en sannsynlighet for rasjonering på mellom 5 og 20 pst. fra Trøndelag og sørover og mindre enn 5 pst. sannsynlighet for rasjonering i Nord-Norge. Statnett har en rekke virkemidler for å håndtere anstrengte kraftsituasjoner. I ordinære driftssituasjoner kan Statnett bl.a. opprette nye prisområder, avlyse revisjoner, starte informasjonskampanjer, koble ut kjeler, drive nettet med redusert driftssikkerhet og spesialregulere produksjon for å sikre full import eller for å spare på vann i særlig viktige kraftverk. Dersom det skulle oppstå en svært anstrengt kraftsituasjon, kalt SAKS, med over 50 pst. fare for rasjonering, kan Statnett i tillegg løse inn energiopsjoner og idriftsette reservekraftverkene. I sommer gikk Statnett til innkjøp av energiopsjoner i forbruk. Effekten som kan gjøres tilgjengelig gjennom innløsning av disse avtalene, er 600 MW, med et samlet energivolum på 1 100 GWh. Hoveddelen av disse avtalene er i Midt-Norge og på Vestlandet. Dette er et betydelig større volum enn sist vinter, da Statnett hadde energiopsjonsavtaler på 164 MW. I det året som vi har lagt bak oss, har vi fått på plass mange milepæler i energipolitikken.

Sommeren og tidlig høsten 2006 var det en kraftsituasjon i Norge som lignet på den vi har i dag. Den kom veldig tidlig. Strømprisene var på over 75 øre /kWh. Da gikk Senterpartiets Ola Borten Moe ut og anbefalte folk å binde strømprisen. Jeg håper og tror at de fleste ikke gjorde det – heldigvis. Senterpartiet hadde flere oppslag i media om at de tok situasjonen på alvor. I Klassekampen den 24. august 2006

og at de har gjort mye, men situasjonen nå er verre enn den var for fem og et halvt år siden. Det synes jeg er betegnende nok – regjeringen prater for mye og har gjort for lite. Ja, det har blitt bygd ut vindmøller, ja, det har blitt bygd ut småkraft – men langt fra i de dimensjonene som en trenger. Samtidig har de store prosjektene som ville gitt volum, og som faktisk hadde hatt en mye større effekt, mer eller mindre blitt skrinlagt. Det gjelder gasskraftverk, det gjelder stor vannkraft, og det gjelder mange av vindkraftprosjektene i dette landet. Jeg minner om at vi i over ti år hadde et vindkraftmål på 3 TWh, hvor en altså er kommet en tredjedel på vei. Bostøtte og Enova er bra ting i seg selv, men det er altfor begrenset i omfang. Jeg er skuffet over at statsråden ikke har noe mer å dra ut av ermet enn det han den endringen i konsesjonsreglene som en nå skryter av. Det betyr ikke at kriteriene for å sette dem i bruk reelt sett er endret. I fjor ble de ikke tatt i bruk, til tross for de pristoppene vi så, og den situasjonen som da gjorde at energiministeren ble bekymret. Jeg minner om at hvis vi hadde satt i gang de mobile gasskraftverkene vi har hatt i drift i ett års tid, ville det utgjort en kraftproduksjon Det er mer enn nettoimporten til Norge de siste seks månedene. Det er en tredjedel av nettoimporten til Norge de siste tolv månedene. Det er altså et betydelig bidrag, som kunne gjort at vi hadde hatt mer vann i magasinene, og gjort at beredskapssjefen i Møre og Romsdal hadde kunnet sove litt bedre.

har store investeringsplaner, men jeg minner om at de siste fire årene har de bedt om kapitaltilførsel tre ganger og fått nei tre ganger. Jeg håper regjeringen er mer offensiv neste gang. Jeg oppfatter at representanten Solvik-Olsen syns han hører det samme budskapet gjentatt. Det er

energieffektivitet. Så hører jeg mellom linjene at også representanten Solvik-Olsen ser at det skjer mer på området nå, sjøl om representanten vel mener at det burde skjedd mer. Men min åpenbare melding på dette området er at vi på nett, gjennom den satsinga som Statnett nå er godt i gang med, gjør det som skulle vært gjort tidligere, men som kommer til å bety en forskjell. På produksjon bruker vi nå mer penger gjennom Enova, og vi har også forhandlet fram en avtale med Sverige som handler om 26,4 TWh i våre to land. Når det gjelder energieffektivisering, har vi også resultater å vise til som er på en helt annen bane enn hva vi har sett Hvis vi er enige om hva som er de tre viktige områdene å jobbe med, tror jeg også vi må samle oss om at det skjer viktige ting på alle områdene. Så trekker representanten fram vindkraftmålet som eksempel på at det ikke har skjedd så mye på området som en skulle ønske. ønske. Der har jeg lyst til å si to ting. For det første mener jeg det var helt riktig av Enova å ta en fot i bakken da kostnadseksplosjonen kom innenfor denne sektoren. De tallene vi så for kostnader knyttet til bygging av vindkraftverk i Norge for to år siden, var ikke tall som var bærekraftige for å få lønnsom vindkraftproduksjon i Norge over tid. Enova gikk inn i de enkelte prosjektene, jobbet målrettet for å se på mulighetene for kostnadsreduksjoner, og det mener jeg vi nå har begynt å se knyttet til bygging av fornybar energi, hvis en skal lykkes i det lange løp. Det er det ene. Det andre er at Enova vurderte vindkraftmålet opp mot Enovas totale mål for perioden. Det betyr at det er ikke slik at det å ikke bygge ut en vindmølle betyr at det ikke har skjedd tilsvarende ting på energiområdet i denne perioden. Enova har tvert imot sagt at de har klart å oppnå et nøyere totalmål, en høyere totalleveranse, på energiområdet ved å bruke de pengene de har, på energieffektivisering, på varme og også noe på teknologiutvikling. Så en kan ikke plukke ut vindsatsinga som ett element fra den totale satsinga de siste årene og ut fra det si at en ikke har fått produksjon inn på markedet. Strømsituasjonen i

I tillegg har situasjonen med svensk kjernekraft i fjor vinter gjort at vi gikk inn i denne vintersesongen med et dårlig utgangspunkt. Disse problemene er et utslag av at nær 100 pst. av kraften i Norge er basert på vannkraft. I år har dette gitt oss høyere priser. Historisk har vannkraften gitt oss lave priser i europeisk sammenheng og grunnlag for utvikling både av industri og av arbeidsplasser. Det er slik at det bl.a. er tre grupper av tiltak som må gjøres for å få oss ut av denne situasjonen – og det er flere som har vært inne på det her i dag. Vi må produsere mer strøm. Vi må oppgradere og styrke overføringsnettet for strøm. Vi må satse på enøktiltak for å bruke mindre strøm og bruke strømmen smartere. Regjeringen har mangedoblet innsatsen innenfor alle disse områdene. Vi har styrket satsingen på fornybar energi Avtalen med Sverige om grønne sertifikater vil gi en ytterligere styrking av innsatsen her. Til sammen skal Norge og Sverige bygge ut 26,4 TWh ny fornybar kraft i Norge. Det betyr i Norge ca. 13,2 TWh. Dette vil bidra meget positivt i kraftmarkedet. Regjeringen har doblet saksbehandlingskapasiteten i NVE.

Kraften må flyttes fra produksjonssted til forbruk, og kraften må kunne flyte mellom områder når forbruket og behovet varierer. Fra perioden 2006 til 2011 har regjeringen støttet arbeidet med ny produksjon og fornybar energi og energisparing gjennom Enova med over 8,9 mrd. kr. I tiden mellom 2006 og 2009 har Enova gitt tilskudd til prosjekter som totalt ville gi en effekt på 8,3 TWh per år. Jeg er også veldig fornøyd med at regjeringen har besluttet å styrke Enovas tilskuddsordning til prosjekter i husholdningen med 70 mill. kr ekstra i 2011. Regjeringen har også varslet en økning av bostøtten med til sammen 318,5 mill. kr. Dette tiltaket vil gi en ekstra utbetaling til 125 000 mottakere av bostøtte. En familie på fem vil kunne få utbetalt og som statsråden sa, kommer utbetalingen i begynnelsen av mars, og det er veldig positivt. Det er sikkert mange som synes dette er bra. I denne sammenhengen er det også viktig å trekke fram garantiordningen for industrikraft. Det begynner å gi effekter nå, og det er gledelig. Det er viktig at industrien sikrer seg levedyktige

Når vi nå har fått på plass alle disse tiltakene, er det veldig bra at vi her på Stortinget får anledning til å diskutere de lange linjene i energipolitikken, som statsråden har sagt tidligere. Regjeringens varslede energimelding og energiutredning vil gi denne muligheten. Regjeringens innsats i energipolitikken er bra. Satsingen vil bedre situasjonen både for

Statsrådens uttalte frykt for ein enda meir utfordrande situasjon på kraftmarknaden vinteren 2010–2011 ser ut til å slå ut i større grad enn han og regjeringa og elles mange andre har håpa på og ønskt. Rekninga for manglande politisk handlekraft blir no betalt av næringsdrivande og private. Spesielt er dette belastande for dei som sit nedst ved fellesskapet sitt bord. Vi veit at i staden for at dei kunne komme seg ut av hjelp av den raud-grøne regjeringa, har det berre blitt fleire fattige dei siste seks og eit halvt åra som denne regjeringa har styrt. Med makta som ligg i eit fleirtal, har denne regjeringa hatt tidenes moglegheit til å handle, men i staden ser det ut som om denne regjeringa har hatt så store interne kamper i mange saker at det lammar fullstendig den handlekrafta som er gitt. Det er også eit paradoks at Norden har gitt. Det er også eit paradoks at Norden har hatt straumunderskot i to år og blir redda av russisk atomkraft. Det blir det ikkje snakka særleg høgt om. For føregåande året blei straumunderskotet i eit samla Norden på over 16,2 TWh. Det gir oss ein enkel fasit. Utan russisk atomkraft ville det blitt straumkrise. Det er altså ok med russisk atomkraft, men ikkje med norsk gasskraft.

det dei jobba med. Dei forskar jo bl.a. på sikkerheit når det gjeld atomkraft, og då er det spesielt å merke seg at konsesjonstida deira som har vore gitt ti år i slengen, under denne regjeringa har blitt redusert til seks år. Det er slåande at sånt kan skje når vi er så avhengige av nettopp denne typen arbeid som dei styrer med, og det handlar om sikkerheit. Kva er det så som må til for å få straumprisar som resten av Europa misunner oss, igjen?

som tek til orde for å opne opp for å bruke fleire freda vassdrag til vasskraft. Om verdas eksistens står i fare på grunn av global oppvarming, ville ikkje det vore for mykje å be om, spesielt når vi også kjenner til fleire gode forslag der inngrepa i verna område knappast ville bli nemneverdig synlege, og ny teknologi kunne brukast, eller vi seier ja til konvensjonelle gasskraftverk i staden for å importere straum frå europeiske kolkraftverk. Mange fleire andre tiltak kunne vore nemnde, men mange av desse ser ikkje på det å få straumrekning oftare som eit columbi egg, slik ein kan få inntrykk av frå den politiske leiinga i Olje- og energidepartementet. Straumen blir ikkje billegare for forbrukaren med slike tiltak, men det illustrerer godt denne regjeringas handlekraft. Elles var alle representantane frå Møre og Romsdal nyleg. Der kom det fram ei sterk bekymring i forhold til vassmagasina og vasstanden der. Dei endra konsesjonsvilkåra for dei mobile gasskraftverka tok ikkje vekk denne problemstillinga. Sjølv med rekordlåg vassstand ville ikkje dei mobile gasskraftverka bli starta opp før vasstanden var betydeleg Med ein indikasjon på at det ville ta slutt før veke 16–17, som er den tida på året med lågast vassmengde i magasina, og ein dette året var nede på rekordlågt nivå, var det likevel ikkje eit signal om å starte opp desse. Fylkesmannen og beredskapssjef ropte varsku og skulle møte NVE dei neste dagane. Biletet i Møre og Romsdal er også slik at ein av dei store kraftforbrukarane, Norsk Hydro, har stengt ned betydelege delar av sitt forbruk. Vi veit samtidig at Industrikraft Møre står klar til å gå i gang med anlegget sitt, om dei får lov til det. Men der er kravet Spørsmålet er vidare om dei får på plass reinsing, slik det er indikert i eit oppslag i dag i Aftenposten. Er det då tiltak som kan ta imot denne reinsa CO2-en, som blir teken ut frå eksos? Jeg vil først rette en takk

møte et høyt prisnivå – i den grad man må ut å forhandle om nye strømleveranser – er det klart at gir industrien vår ekstra utfordringer i sitt virke. Så det å ha fokus på nok energiproduksjon og et forutsigbart og konkurransedyktig prisnivå er klart en viktig oppgave, sett fra Det å ha opsjoner på å stenge ned industri er bra for å ivareta en forsyningssikkerhet. Men det er klart at for de industribedriftene dette gjelder, har det også en kostnad å slutte å produsere i en periode og kanskje kunne være mindre aktive i et marked – gjerne et globalt marked – som ofte krever at man må være til stede hver dag for å opprettholde markedsandelene. De tiltakene som statsråden har skissert, er opplagte tiltak. Både det å sikre infrastrukturen, altså å bygge ut mer nett, å bygge ut mer energi og å fokusere på energieffektivisering er alle tre opplagte satsingsområder som også Høyre stiller seg bak. Det er klart at det å redusere sårbarheten vår er det det handler om. Vi må sørge for at vi har en mer differensiert energiproduksjon enn det vi har i dag. Vi er for avhengige av nedbør. Vi trenger å styrke energiproduksjonen vår innenfor andre områder, som gjør oss mindre sårbare og avhengige av nedbør. Det å ta i bruk gass har vært nevnt av flere. Det er et synspunkt som vi fra Høyres side stiller oss bak. Vi er også opptatt av å ivareta våre klimaforpliktelser med tanke på å tilrettelegge for rensing. Vi håper fremdeles at regjeringen vil stille seg bak de initiativ som nå har kommet, om å flytte renseprosjektet ut av Mongstad for å få det realisert tidligere og kanskje til en rimeligere penge. Det er viktig, energiforsyningen til landet, men også for å få frem teknologi som er anvendbar også utenfor Norges grenser, i forbindelse med rensing av gasskraftverk. Offshore vind ligger nok langt frem i tid for å kunne være kommersielt tilgjengelig. Men jeg håper at vi kan fokusere på de mulighetene dette gir, gjennom teknologiutvikling og forskning på området. Det er klart at her vil vi også ha et potensial som er uavhengig av vannkraftproduksjonen vår. Jeg er glad for at regjeringen omsider har begynt å rulle ut automatiske strømmålersystemer i Midt-Norge. Vi har fra Høyres side etterlyst en raskere fremdriftsplan på dette området, og jeg er glad for at man i hvert fall nå begynner i Midt-Norge, og at statsråden synliggjør i dagens debatt en ambisjon om at resten av landet skal ha tilgang til dette senest i 2015. Til slutt: Skal vi få frem mer energi, er det viktig at NVE er i stand til å ha en effektiv saksbehandling av alle de søknadene som kommer dit. Jeg er klar over at saksbehandlerkapasiteten er doblet, som også representanten Strøm var inne på. Men allikevel er det altfor lang tid når bl.a. småkraftverk må vente i kø i over fem år for å få konsesjonsbehandlet sine søknader. Så jeg håper at statsråden kan være med på å snu alle steiner med tanke på de krav som stilles til søknader og til selve konsesjonsbehandlingen, slik at

må først si at det er sjelden regjeringen får såpass mye skryt i en interpellasjonsdebatt. Det er jo et gledelig tegn. Det senker riktignok det polemiske nivået i debatten, men det gir mer følelse av en meningsfylt utveksling, og det synes jeg er bra. Når magasinfyllingen går ned mot 40 pst. tidlig i januar, er det langt under medianen for de siste 20 årene. Derfor er vi i SV enige med LO og Roar Flåthen om at vi må vurdere framover om det er behov for å stille strengere krav til å holde igjen vann i magasinene for å unngå at de går tomme. Det strengere krav til å holde igjen vann i magasinene for å unngå at de går tomme. Det er særlig viktig når vi har flere slike år på rad. Så må vi ikke glemme at Norge er nettoeksportør av kraft i de fleste år, og framover vil jo kraftoverskuddet – det er i hvert fall det vi legger til grunn i vårt arbeid – bli større over tid. Derfor snakker vi nå om tiltak for å unngå de store svingningene og økningene når det er kaldt om vinteren, at vi bør vurdere å holde igjen mer vann når vi allerede har hatt en kald vinter og derfor i utgangspunktet ligger dårligere an, og andre tiltak. Samtidig er det lansert flere forslag med det samme målet, som skal gi incentiver til kraftselskapene for å holde tilstrekkelig vann i magasinene sine til å klare kalde vintre, og ikke utfordre forsyningssikkerheten. Derfor er det veldig positivt at statsråden er enig i at vi må gå gjennom erfaringene fra to kalde vintre på rad og se på hvordan systemene virker, og om det kan forbedres. Det tror jeg det kan.

Det var nettopp det som ga investeringstørke både når det gjelder utbygging av nett, og når det gjelder fornuftige prosjekter innenfor fornybar energi. Det gikk faktisk så langt at det ble ytret i debatten om energiloven tidlig på 1990-tallet at Norge har et for godt utbygd distribusjonsnett for strøm. Det kan sies positive ting om energiloven, men et stort problem med den er at den ikke har bidratt til utbygging av nettet, ei heller til produksjon. Det må en aktiv politikk til. Olje- og energiministeren har gjort godt greie for at denne regjeringen har satset mye og vil satse enda mer framover for å bygge ut fornybar energi, utvikle kraftnettene og satse på energiøkonomisering. Vi får grønne sertifikater, og det kommer inn nye terawatt-timer i kraftnettene de neste årene. Denne regjeringen har utstyrt Statkraft med 14 statlige, friske milliarder, slik at selskapet kan investere over 80 mrd. kr i fornybar energi de neste årene. Så har vi beslutningen om å forsere utrulling av automatiske strømmålere i Midt-Norge, som representanten Meling var glad for. Det er jeg også veldig glad for. Det snakket jeg mye om sammen med mange på Trøndelag-møtet for en uke siden, og bare to dager etter hadde regjeringen tatt grep og kom med den gledelige nyheten. Jeg tror ikke jeg skal ta på meg hele æren for det alene, selv om jeg ser at statsråden nikker raust. Men dette er et veldig viktig tiltak. For akkurat en uke siden var jeg på besøk hos Malvik Everk, som er det eneste selskapet i landet som tilbyr smarte strømsparingssystemer i forbindelse med toveis kommunikasjon. De viser, i samarbeid med undersøkelser SINTEF har gjort, et helt annet potensial enn det representanten Solvik-Olsen prøver å avskrive det med. Dette dreier seg jo ikke bare om å vaske klær om natten. Det dreier seg ikke om at folk til enhver tid må sitte og se hva strømmen koster, og så handle etter det. Det dreier seg jo først og fremst om mer smarte styringssystemer som gjør at kundene nettopp slipper å gjøre det hele tiden. Der ligger det et kjempepotensial. For eksempel: Hvis mesteparten av bare eneboligene og rekkehusene i Trøndelag kobler ut varmtvannstanken samtidig om morgenen, når forbruket er høyest – det er tiltak som ikke vil merkes på komforten for forbrukerne – tilsvarer det det doble av effekten av de mobile gasskraftverkene i Midt-Norge. Vi har kjempestore effektreserver på lager når det gjelder energisparing, hvis vi får smarte systemer på plass. faktisk å redusere 20 pst. av energiforbruket innen 2020. Det tilsvarer tre Kårstø-kraftverk og halverer energiforbruket innen 2040. Det er elleve–tolv Kårstø kraftverk. Industrien kan spare og gjenvinne 27 TWh energi. Det tilsvarer 40 Alta kraftverk. Den som dermed ikke ser det enorme politiske potensialet i å spare energi, er nokså blind eller svaksynt. Dette dreier seg også om noe som jeg tror vi er uenige med Fremskrittspartiet om, nemlig at det er smartere å frigjøre strøm til elektrifisering av bilpark, av sokkel og til lyntog, som jeg tror veldig på, og som representanten Solvik-Olsen ikke tror noe på. Det er smartere å bruke strøm til det enn å bruke den til oppvarming av hus. Da ser jeg at jeg har brukt opp taletiden min, selv om jeg bare er halvveis i manus. Men det ser jeg at presidenten ikke har tenkt å ha noen forståelse for. Nei, hun har nok ikke det.

for å få dette til. Det vil handle om nettutbygging for å få en god og helt nødvendig flyt av strøm mellom de ulike delene av landet – fra overskuddsområder til underskuddsområder, fra områder med stor produksjon til områder med stort forbruk – og for å få ny fornybar energi fram til forbruker. Dette krever både oppgradering av eksisterende ledninger og etablering av nye. I Senterpartiet er vi vel kjent med at dette kan være kontroversielt, men vi mener det er helt nødvendig for å sikre stabil kraftforsyning i alle deler av landet. Nå arbeides det med linjene Ørskog–Fardal, Sima–Samnanger, og Statnett har søkt om konsesjon for bygging av 420 kV kraftledning mellom Balsfjord og Hammerfest. Senterpartiet mener dette er viktige grep for nettopp å sikre stabil kraftforsyning. Satsing på bygging for å sikre nok miljøvennlig strøm inn på nettet er også helt avgjørende. Det er gledelig for Senterpartiet at den stimulansen som er gitt til utbygging av slik energi, og effektivisering av konsesjonsbehandling i NVE, sammen med regionvis koordinering av konsesjonsbehandling, har ført til at vi de siste fire årene har fått nesten en dobling av tillatelser, og at disse har en forventet produksjon på ca. 6 TWh per år – ingen ubetydelig mengde. Takten øker fortsatt, og NVE avgjorde i 2010 fire ganger så mange saker som i 2004. Det tredje området som er viktig, vil være en stadig mer effektiv bruk av energien. Enova spiller her en helt sentral rolle. De siste fem årene har regjeringen satt av nesten 9 mrd. kr, som statsråden også nevnte, nettopp til satsing gjennom Enova. Prosjekter med tilskudd fra dem vil ha et forventet energiresultat på over 8 TWh per år. For alle de tre områdene er dette et langsiktig arbeid som Senterpartiet er opptatt av at det skal jobbes kontinuerlig med. Samtidig er det viktig at vi har ordninger

for bruk av de mobile gassfyrte reservekraftverkene for de første 20 ukene i 2011. Et viktig grep som flere har nevnt, var også å sette i gang arbeidet med å innføre AMS, med start nettopp i Midt-Norge. Det viktige for framtiden, som statsråden også understreket, blir likevel å holde trykket på arbeidet med utbygging av fornybar energi, fordeling gjennom et stadig bedre ledningsnett, og at bruken av energi stadig effektiviseres. På den måten kan vi i større grad unngå slike situasjoner i framtiden. Ved inngangen til 2011 var kraftsituasjonen i Norge mer alvorlig enn på mange år. En tørr og kald vinter kan gi Norge den mest utfordrende kraftsituasjonen på svært lenge. Lite nedbør, høyt strømforbruk og vannmagasiner som aldri fikk hentet seg inn igjen etter forrige vinter, er ifølge Statnett hovedårsaken til den anstrengte situasjonen. I desember 2010 lå vannstanden i norske vannmagasiner 20 prosentpoeng lavere enn i et gjennomsnittsår. Det er ikke registrert så lav vannstand i norske vannmagasiner på denne tiden av året på 20 år. Med normal nedbørsmengde og temperatur kan det ta to år før vannmagasinnivåene er normalisert igjen. Da kan kanskje statsråden gjenta noe av det innlegget han hadde tidligere i denne salen, om to år med normal temperatur og normal nedbørsmengde. Den anstrengte kraftsituasjonen kombinert med høyt forbruk har ført til rekordhøye priser på strøm. Strømregningene for siste del av 2010 er tidenes høyeste. vil for mange strømkunder bli opptil 50 pst. høyere enn på samme tid i fjor. Kristelig Folkeparti fremmet i sitt alternative budsjett økt bostøtte for 2011. Vi fremmet også forslag om å øke bevilgningene til Enova. Dette er forslag som Kristelig Folkeparti mener er på sin plass. Vinteren 2002–2003 opplevde Norge en liknende forsyningssituasjon med lav magasinfylling og høye strømpriser. Daværende olje- og energiminister Einar Steensnæs måtte tåle hard kritikk i Stortinget og i mediene for høye strømpriser. Senterpartiet førte an i denne kritikken, og fremmet et forslag i Stortinget om sterkere regulering av vannkraftverkene med innføring av Etter at den rød-grønne regjeringen overtok, har det blitt gjort lite for å hindre gjentakelse av strømkrisen fra 2003. Ett av de viktigste langsiktige tiltakene fra 2003 har blitt kraftig utsatt. Det gjelder grønne sertifikater. Disse skulle ha vært på plass 1. januar 2006, men vil nå først være på plass 1. januar men vil nå først være på plass 1. januar 2012, etter at regjeringen sa nei til svenskene i 2006. I 2003 var det altfor lenge å vente til 2006 for dagens regjeringspartier. Da måtte vi ha innført grønne sertifikater fra 1. januar 2005. Nye kraftlinjer til Bergen og Midt-Norge, som Bondevik II-regjeringen startet planleggingen av, lå til behandling i Olje- og energidepartementet i hele forrige stortingsperiode. Opposisjonens kreative forslag fra 2003 har vi sett lite til. Einar Steensnæs var for øvrig den siste statsråden som la fram en energimelding for Stortinget. Kristelig Folkeparti har derfor fremmet et representantforslag der vi ber om at det i løpet av dette året, 2011, utarbeides en plan for å sikre forsyningssikkerheten for strøm og hindre framtidige kraftkriser. Regjeringen olje- og energiminister Terje Riis-Johansen lanserer at en energimelding vil komme i 2013. Det er ti år etter forrige energimelding. Jeg kunne godt tenke meg å utfordre statsråden på hvordan han ser på Senterpartiets eget forslag fra 2003 om sterkere regulering av vannkraftverkene med innføring av minstekrav til magasinfylling, noe LO-sjef Roar Flåthen har tatt til orde for, og som også representanten Snorre Serigstad Valen tok til orde for tidligere i denne debatten. Situasjonen i dag er tilnærmet identisk med det den var i 2003, da forslaget fra Senterpartiet ble fremmet. Jeg kunne også tenke meg å høre statsrådens vurderinger av andre kortsiktige tiltak, som f.eks. innføring av en forsikringsordning for sluttbrukere dersom magasinene går tomme og det må iverksettes rasjonering. En slik ordning kan innrettes på samme måte som KILE-ordningen, som pålegger netteierne å betale verdien av tapet ved strøm som ikke leveres på grunn av feil i nettet. Jeg kunne også tenke meg å høre statsrådens vurdering av å etablere en ordning for statlig kjøp av opsjoner for energilevering mot slutten av tappesesongen fra kraftprodusentene i tillegg til, som i dag, større elektrisitetsforbrukere. Jeg kunne også tenke meg å høre statsrådens tanker om skattemessige grep som kan motvirke magasintømming, f.eks. innføring av maksimalpris ved beregninger av grunnrenteinntekten i

Det fortjener den honnør for. Slik sett er det også bra at regjeringen nå sier at de skal komme med toveiskommunikasjon på strømmåling. Så framstilles det som at dette framskyves til 2013 av denne regjeringen. Ja, det er en framskyving i forhold til målet, som var 2018. Men denne regjeringen utsatte vitterlig dette før de nå framskyver det igjen, så vi er nesten tilbake på stedet hvil. Det som er problemet, er at mye av det vi skryter av nå, er det vi også hørte skryt av i 2005–2006. Representanten Børge Brende fremmet en debatt om kraftsituasjonen i Midt-Norge i november 2005. Representanten Børge Brende fremmet en debatt om kraftsituasjonen i Midt-Norge i november 2005. Det var ikke måte på hvor mye denne regjeringen skulle gjøre de neste årene. Her står vi i en debatt fem og et halvt år senere og hører akkurat de samme visjonene om hva vi skal gjøre. gjøre. Så skryter også representanten Strøm av hva regjeringen har gjort. Ja, noe har regjeringen gjort, men veldig mye har de utsatt. Det er verdt å merke seg når lederen i Småkraftforeninga, Trond Ryslett, sier at det som nå skjer i småkraftbransjen, skjer på tross av og ikke på grunn av regjeringen. Da kan en bare tenke seg hvor mange muligheter og hvor mye potensial man har gått glipp av fordi regjeringen har kranglet seg imellom. imellom. Det er litt spesielt når dagens energiminister nærmest ikke vil erkjenne at det har vært to statsråder før ham. Det er litt spesielt når representanten Snorre Serigstad Valen snakker som om han er første SV-representant som sitter i energi- og miljøkomiteen i en rød-grønn regjeringsperiode. Når han begynner å ta opp diskusjonen om er det akkurat de samme tingene som ble framhevet av regjeringspartiene i 2006, at dette skulle vi se på. Regjeringen har faktisk gjort en evaluering av energiloven når det gjelder magasinfylling, og regjeringen sa i proposisjonen til Stortinget at gjennomgangen tilsa at det ikke var behov for endringer. Men nå plutselig framstår det som om denne regjeringen skal gjøre store tiltak og evaluere dette. Det har blitt evaluert. Regjeringen sa nei. Hvis regjeringen mener at det er grunn til å kikke på det, er det selvsagt noe vi ønsker velkommen. Men det blir spesielt å framstille det som offensivt når regjeringen allerede har avslått det. Toveiskommunikasjon er bra. Alle partiene er for det, men vi skulle gjerne ha sett det innført for lenge siden. Men regjeringen har inntil nå sagt at dette var teknologisk vanskelig, og derfor skulle en gjøre det først i 2018. Bransjen forstår i hvert fall ikke hvorfor det plutselig nå skulle gå an å gjøre det i 2013, men regjeringen har gjerne funnet noe som bransjen ikke har. Men å framstille det som om dette er et stort energisparetiltak: Det å fyre varmtvannsberederne om natten i stedet for om morgenen gjør ikke at du sparer strøm. Det bare fordreier hvilken tid du bruker den. Og det er dét det er gjort beregninger på. Med dagens timeprisforskjeller i løpet av døgnet sparer du 45 kr året på det – mindre enn én krone uken. Det er det som forbrukeren har å glede seg til. Da er det andre tiltak som er mye viktigere. Først til representanten Hjemdal som

sånn vi kunne få inntrykk av da vi hørte representanten Hjemdal. Så var det mange spørsmål rundt magasinfylling. Jeg har ikke mulighet til å komme inn på alle dem nå. Men jeg kan sånn på litt generelt grunnlag si følgende: For det første mener jeg, flere av representantene har vært inne på her i dag, at det også er riktig etter to så spesielle år som vi har vært gjennom nå, at vi går gjennom disse to årene og ser hvordan systemet har fungert. Jeg mener det er ansvarlig, fornuftig og veldig bra hvis vi ut av det også kan trekke lærdom og forbedre politikken. Når det er sagt: Hvis vi konkret går inn på det året vi har bak oss, er situasjonen den at på vårparten i fjor, hvor en eventuelt skulle spart vann, at det var behov for det vannet. Det var kraft som ble produsert etter en vinter hvor det var knapt med ressurser, og hvor behovet for kraft var til stede. Hvis man hadde gått inn på slutten av fjoråret og sagt at mer skulle ligge igjen i magasinene, så ville det betydd at en da måtte da måtte funnet den kraften et annet sted, for det var et reelt kraftbehov. Så har det vært to perioder i 2010 hvor det har vært eksport av kraft. Den ene var på tampen av vårsesongen, hvor produksjonen var stor sammenliknet med forbruket i Norge. Så har vi hatt en periode på høstparten, eller tidlig på vinteren, hvor svenske kjernekraftverk sto nede, og hvor det også da i et nordisk perspektiv var nødvendig med norsk vannkraft for å holde den nordiske kraftbalansen ved like. Når en nå ser det norske behovet for svensk kjernekraft og import av kraft, er det, for å si det forsiktig, mulig å se en viss sammenheng i dette knyttet til hva som var Norges bidrag tidligere, i høst, og hva som har vært andres bidrag senere i denne sesongen. Når det gjelder AMS, så vil jeg bare gjenta det jeg har sagt før, at her har vi vært opptatt av også å ha en tett dialog med EU for å sørge for å lage et system som er såpass likt mellom naboland at vi vært opptatt av også å ha en tett dialog med EU for å sørge for å lage et system som er såpass likt mellom naboland at det ikke blir upraktisk. Og når det gjelder hva vi kan få ut av det systemet, mener jeg generelt at det er mye, mye mer enn det representanten Solvik-Olsen her tar opp, uten at jeg har tid til å komme inn på det nå. Sak nr. 7 er dermed ferdigbehandlet.

Gjennom det blir situasjonen endret for mange unge som er i ferd med å gjøre, eller allerede har gjort, det valg å studere jus uten å følge studiet ved universitetene som i dag har dette tilbudet. Universitetet i Oslo har riktignok etter aktiv møtevirksomhet og forhandlinger gått med på en overgangsordning som sikrer at de som allerede har startet på studiet andre steder, får mulighet til Universitetet i Bergen har tidligere gjort en tilsvarende endring, og Universitetet i Tromsø, som nå blir eneste gjenværende eksamensmulighet for privatistene, er bekymret for den voldsomme pågangen de nå kan få. De vurderer derfor å gjennomføre de samme endringer.

til enhver tid ha fokus på kvaliteten og resultatene, og fra vår side er det ingen tvil om at den intensjonen støttes. Det virker imidlertid underlig at det ikke samtidig kan arbeides for å sikre kvaliteten og resultatet for privatistene, men at disse heller utelukkes. Det vises til at strykprosenten er større hos privatistene. Da bør en finne ut hva som kan gjøres for å Jeg må si at jeg i den sammenheng hadde forventet at statsråden hadde engasjert seg for å opprettholde et viktig tilbud. I forbindelse med endringene i Oslo ble også Justisdepartementet hørt. I sin høringsuttalelse pekte de på det reduserte volum dette ville føre til, og bemerket at kanskje spesielt det offentlige dermed vil kunne merke at det blir vanskelig å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft med juridisk kompetanse. Det er selvsagt ikke Universitetet i Oslos ansvar alene å sørge for nok kompetanse til arbeidslivet. At de dermed ikke tok den bekymringen så alvorlig, er bare naturlig, men heller ikke etter denne bekymringsmeldingen kom statsråden på banen. Statsråden har et ansvar for å sikre et allsidig og godt tilbud innen høyere utdanning som sikrer den kompetanse arbeidslivet trenger. Når en mengde studenter da forsvinner, burde etter min mening statsråden umiddelbart gå i dialog for å sikre et alternativt tilbud. De som tar eksamen som privatister, kan i hovedsak deles i to grupper. Den ene gruppen er unge som velger å følge undervisningen gjennom andre, i hovedsak private, tilbud som ikke har eksamensrett. Dette er tilbud på både hel- og deltid. Denne gruppen kunne nok i stor grad følge undervisningen på universitetet dersom det hadde vært nok studieplasser. Jeg har registrert at statsråden senest i forrige uke fordelte de siste nye studieplassene som er finansiert i budsjettet for 2011, og det er bra. Dette er imidlertid ikke nok til å erstatte de studieplassene vi her snakker om. Den andre gruppen er voksne mennesker som ønsker å ta videre utdannelse i kombinasjon med arbeid, familieliv og andre engasjement. Dette er en verdifull gruppe med både livserfaring og erfaring fra arbeidslivet. Ved fullført studium vil de ha en svært verdifull kompetanse som er en kombinasjon av det faglige studium og de erfaringer de har. For denne gruppen er det ofte ikke et alternativ å velge fulle studier. I denne siste gruppen er det også mange som bor slik at det er vanskelig å følge studier ved et universitet, men likevel kan gjennomføre eksamen der. Folkeuniversitetet har undervisning for mange av disse. Jeg må innrømme at jeg har lurt på om den manglende innsatsen fra statsråden skyldes at det er private aktører som i hovedsak gir de alternative studietilbudene som hjelper privatister fram til eksamen. Statsråden og hennes parti er tydelige på hvilke betingelser private aktører i utdanningen bør ha, men jeg kan samtidig ikke forstå at det skulle være bakgrunnen her. Kan det være at det ikke har vært nok fokus på hvor mange dette gjelder? Jeg registrerer nemlig at statsråden i svar til Dagrun Eriksen i august 2010 påpeker at det er så få dette gjelder. Enkelttall fra fjerde år i en begrenset periode, som igjen er resultat av omlegging, forteller ikke situasjonen. Dette gjelder flere hundre som hvert år går opp til eksamen som privatister. Denne store gruppen tar altså utdannelsen uten å beslaglegge plasser ved universitetene. Det kan også diskuteres om grunnlaget for å avvise privatister i henhold til universitetsloven er til stede, men det er ikke mitt anliggende her. I Høyre er vi glad for de alternative vi er glad for alle som vil starte på høyere studier, og vi er glad for dem som gjennom egen innsats og systematisk arbeid kan oppnå resultater. Kunnskapsnasjonen Norge trenger dette. Jeg må også få lov å minne om det store presset som er på nye studieplasser på grunn av nye, store ungdomskull. Bortfall av privatistmuligheten, og som konsekvens nedleggelse av tilbud ved private vil føre til at enda flere skal kjempe om de studieplassene som tilbys. Det er et faktum at endringene vil føre til et redusert antall personer som tilegner seg juridisk kompetanse, og at den gruppen som kombinerer dette med lang erfaring, står i fare for å bli betydelig mindre. Det er vi ikke tjent med. Derfor må statsråden gripe fatt i denne problemstillingen og sørge for retten til å ta eksamen som privatist også i framtiden. Vi trenger denne kompetansen, og det offentlige trenger god tilgang på kompetansen. God tilgang på juridisk kompetanse er faktisk en viktig faktor for å skape trygge og gode lokalsamfunn. Vi trenger å vite at noen passer på at både private og og vi trenger å være trygge på at når vi trenger råd og hjelp dersom vi er urettferdig behandlet, ja så er kompetansen på plass for å hjelpe oss. Nå er jeg spent på om statsråden vil ta imot denne invitasjonen til å følge opp privatisttilbudet. Mitt ønske er at vi nå kan samle oss om å skape rom for gode løsninger også for

Rapporten ble lagt fram i 2008, og i denne ble flere institusjoner, bl.a. Universitetet i Oslo, tydelig kritisert for måten undervisningen ble gjennomført på. Universitetet i Oslo har etter dette tatt tak i de utfordringene som ble påpekt, og de har kommet fram til at det var behov for en omlegging av studieplanen. Endringene medfører bl.a. en tettere oppfølging av studentene, mer kontinuerlig tilbakemelding til studentene og innføring av obligatoriske undervisningsaktiviteter. Når det gjelder innføringen av obligatoriske elementer i studier, begrunnes dette i at enkelte ferdigheter som er viktige for en utøvende jurist, ikke er lette å oppøve og prøve gjennom ordinær eksamen. Det gjelder f.eks. argumentasjonsteknikk og muntlig framleggelse. Men det handler også om den modningsprosessen som følger av å delta aktivt i en forskningsbasert undervisning. Jusstudiet har tradisjonelt vært et fag der mange har basert seg på selvstudium. Men tidene endrer seg, og gjennom Kvalitetsreformen vedtok Stortinget en nødvendig fornyelse av høyere utdanning i Norge. Og de siste årene ser vi helt tydelig at jusstudenter som har basert seg på selvstudium, gjennomgående har gjort det dårligere på eksamen enn de ordinære studentene. Det er altså et faktum at privatister fram til nå har hatt et svakere læringsutbytte enn de ordinære studentene, og gjennom den kvalitetshevingen som Universitetet i Oslo nå gjennomfører i sin undervisning, vil denne forskjellen trolig bare bli større. Så på dette punktet vil jeg være klar: Jeg støtter Universitetet i Oslo i de faglige vurderingene de her har gjort. Universitetet gjør endringene fordi det er helt nødvendig ut fra hensynet til kvaliteten på studiet. Det norske samfunnet er først og fremst tjent med å ha Universitets- og høyskoleloven § 1-5 gir også institusjonene faglige friheter og ansvar som jeg heller ikke kan overprøve. Men så er det altså slik at innføring av obligatoriske undervisningsaktiviteter også påvirker privatisttilgangen. Her er det to viktige hensyn som representanten trekker fram. Den første utfordringen er å utdanne et tilstrekkelig antall jurister til å dekke behovet i arbeidsmarkedet. Tradisjonelt har svært få personer fullført en full juristutdanning som privatister. Mange privatister ønsker bare å ta de innledende deler av studiet, mens andre etter hvert søker seg inn på den ordinære utdanningen. I perioden 2006–2008 var det totalt 1 745 studenter oppmeldt til fjerde avdeling ved Universitetet i Oslo, og bare 19 av disse var privatister. Det tilsvarer Men jeg har erkjent at vi har hatt behov for å øke utdanningskapasiteten innen juridiske fag, og derfor foreslo jeg i statsbudsjettet for 2011 å bevilge midler til 190 nye studieplasser i juridiske fag, og jeg merket meg at representanten Harberg hadde fått med seg det. I tillegg nedsetter jeg i disse dager en arbeidsgruppe som vil få i oppdrag å utrede det framtidige behovet for juridisk kompetanse i det norske arbeidsmarkedet. arbeidsmarkedet. Universitetet i Bergen har sagt seg villig til å lede dette arbeidet. Den andre utfordringen representanten Harberg trekker fram, er behovet for desentraliserte og fleksible studietilbud, ofte gjennom Folkeuniversitetets tilbud. Dette har jeg også diskutert grundig med Universitetet i Oslo. Det er ikke slik at alle emnene i jusstudiet vil få obligatoriske undervisningsaktiviteter, det gjelder bare noen få emner. Altså vil en stor del av emnetilbudet innen juridiske fag fortsatt være tilgjengelig for privatister som ønsker kompetanseheving innen dette fagfeltet, og jeg kan forsikre representanten om at jeg ikke er på noe korstog mot privatistutdanningen. Den skal selvsagt bestå. Men Universitetet i Oslo har vært tydelig på at de emnene som vil stenges for privatister, ikke er de emnene som desentraliserte privatister tradisjonelt har ønsket å ta. Det vil fortsatt være mulig å ta de innledende delene av studiet som privatist, og det vil tilbys en rekke spesialemner på ulike nivåer. Det er nettopp slike kurs som har vært mest etterspurt gjennom de desentraliserte studietilbudene. Dermed vil ikke endringene i studieplanen til Universitetet i Oslo påvirke de desentraliserte privatistene i særlig grad. Når det gjelder de generelle privatistmulighetene, har jeg følgende kommentar: Voksenopplæringsloven ble endret fra 1. januar 2010. Etter den gamle voksenopplæringsloven av 1976 med forskrift hadde universitetene og høyskolene en plikt til å godkjenne studieringer på høyere nivå. Dette ble ikke videreført i ny voksenopplæringslov med forskrift som trådte i kraft 1. januar 2010. Bakgrunnen for dette var de store endringene som har skjedd siden 1976, ikke minst som følge av Kvalitetsreformen. Mulighetene til å ta høyere utdanning desentralisert

Tiden har med andre ord løpt fra systemet i den gamle loven. Utfordringen nå blir å finne fram til hensiktsmessige organisasjonsformer innenfor dagens system og med høy kvalitet. Det er avtalt møte med Folkeuniversitetet i slutten av januar for å drøfte dette, og jeg kan forsikre om at vi har hatt møter med både Folkeuniversitetet og andre parter som tilbyr Til slutt vil jeg peke på at regjeringen ved flere anledninger og spesielt gjennom framleggelsen av St.meld. nr. 44 for 2008–2009, Utdanningslinja, samt bevilgninger til mange nye studieplasser innen etter- og videreutdanning, har vist at vi satser tungt på en offensiv kompetansepolitikk og på å styrke mulighetene for livslang læring. Kvalitetsreformen la vekt på nye læringsformer og tettere samarbeid med samfunnslivet. Dette må derfor også få konsekvenser for hvordan høyere utdanning tilbys. Med dette ønsker jeg ikke, som jeg nevnte, å avvikle privatistordningen, men innenfor dagens høyere utdanning har denne ordningen sin begrensning. I tiden framover vil jeg ha en særlig oppmerksomhet på kvaliteten i høyere utdanning og hva departementet kan gjøre for å styrke dette viktige området ytterligere. Jeg takker for statsrådens innlegg og svar. Jeg er utdanning har denne ordningen sin begrensning. I tiden framover vil jeg ha en særlig oppmerksomhet på kvaliteten i høyere utdanning og hva departementet kan gjøre for å styrke dette viktige området ytterligere. Jeg takker for statsrådens innlegg og svar. Jeg er veldig glad for at det var flere ting der som viste at en har fulgt aktivt opp etter at denne situasjonen oppsto. Det setter jeg pris og det vil nok hjelpe på noen av bekymringene våre. Først av alt – bare for å understreke det som jeg også sa i mitt hovedinnlegg – det at Universitetet i Oslo gjør grep for å sikre kvaliteten i undervisningen, er bra. Det støtter vi. Så det er ingenting i den delen av det som skjer, som vi setter spørsmålstegn ved eller synes er ille. Samtidig registrerer jeg, når det ble vist til NOKUT og samarbeidet med Universitetet i Oslo, at at NOKUT påpeker at privatistene på første avdeling, som er opptil halvparten av dem som går opp til eksamen, ikke belaster fakultetets undervisningsressurser, men eksamensressurser, og at NOKUT ikke har noe imot at det fortsetter sånn. Men da må jo universitetet finansiere det på en eller annen måte. Jeg vet ikke om statsråden kan svare på om dette også kan oppfattes som en kamp om ressurser fra Universitetet i Oslo, at dersom en hadde fått økte ressurser til å gjennomføre eksamen, så kunne altså privatisteksamen bli fulgt opp. Det er nok slik at det er størst press på dette i Oslo, fordi Oslo på mange måter er mest tilgjengelig. Det har selvfølgelig i seg at det er mye folk her. Det er et stort omland, men det er også tilgjengelig kommunikasjonsmessig for andre som eventuelt skal reise for å ta dette. Så viste statsråden også nå til de lave tallene på fjerde avdeling i 2006, 2007 og 2008. 2008. Det er jo riktig, fordi endringene i 2005 gjorde at de som skulle begynne på tredje året, gikk inn ved fakultetet, og dermed ble det færre som gikk videre til fjerde året. Så det gir ikke et godt bilde. I samme periode var det altså ca. 1 700 som tok privatisteksamen. Det er kanskje et viktigere tall enn de 19 som tok fjerde avdeling. Så behovet er fortsatt stort. Jeg må si at jeg fortsatt mangler litt svar på hvordan en skal greie å fylle det volumet som både Justisdepartementet, Advokatforeningen og brukergruppene av disse ferdigutlærte har meldt. Hvordan skal vi sikre at det blir nok jurister, nok juridisk utdannelse, også i framtiden? Det trenger vi et svar på. Jeg håper representanten

som dannelse. Det tror jeg man blir mer til del når man er en del av et undervisningsopplegg. Dermed har nok det noe med kvaliteten på opplegget å gjøre – selv om jeg ikke skal underslå at mange av dem som tar seg fram som privatister, kanskje har en god porsjon realkompetanse å fare med. Likevel: Jeg er opptatt av at vi utdanner nok jurister. Derfor er det verdt å merke seg at når det gjelder de 190 studieplassene som vi nå også har fått Stortingets aksept for å fordele gjennom statsbudsjettet for 2011,

en arbeidskraft og utdanne folk som kan noe om det regelverket og de juridiske utfordringene man har i mange typer arbeid, enten det er innenfor helsesektoren, Nav eller barnevernet – bare for å ta disse som omhandler sosial og helse, men det er også mange andre områder. Vi håper vi kan

Eg trur at dei aller fleste er samde om at interpellanten har eit poeng når han peikar på at det er fleire sektorar som har behov for fleire og meir kompetente medarbeidarar med juridisk utdanning. Men eg er sterkt i tvil om at Høgre er politisk målretta, viss partiet meiner at å fortsetja som før med ei ordning som langt ifrå held eit godt nok fagleg nivå, er vegen å gå. Eg vil minna om at ei av dei viktigaste leiestjernene i den høgare utdanningspolitikken er å vera tydeleg på kvalitetskravet. Ingen er tente med at storting eller regjering er utydeleg her. Det vil svekkja utdanninga, og det vil til sjuande og sist gå ut over studentane og samfunnet. Ei overkøyring av institusjonane våre på dette området vil vera både svært uheldig og direkte lovstridig. Det vil dessutan vera svært uklokt om me no overprøver NOKUT sine klare råd og universitetet sitt arbeid for å heva kvaliteten på studietilbodet. Men det er absolutt ønskjeleg at fleire utdannar seg innanfor det spennande fagområdet som jussen er. Difor er det veldig målretta når det i det vedtekne budsjettet for 2011 er øyremerkt midlar til 190 nye studieplassar i juridiske fag. Dette er eksempel på godt politisk handverk. Eg vil minna om at det som interpellanten fokuserer på, tilsvarar ca. 1 pst. av dei studentane som tek fjerde avdeling i dette faget ved Universitetet i Oslo. Det er òg slik at det er behov for for desentraliserte og fleksible studietilbod, som t.d. Folkeuniversitetet kan tilby. Difor er det hyggeleg at det ikkje er slik at alle emne i jusstudiet vil få obligatoriske undervisningsaktivitetar. Det gjeld faktisk berre for nokre få Altså vil ein stor del av emnetilbodet innan juridiske fag framleis vera tilgjengelege for privatistar som ønskjer kompetanseheving innan enkelte fag. Vidare er det slik at dei emna som blir stengde for privatistar, ikkje er dei emna som desentraliserte privatistar tradisjonelt har ønske om å ta. Det vil framleis vera mogleg å ta dei innleiande delane av studiet som privatist. Det er nettopp slike kurs som har vore mest etterspurde gjennom dei desentraliserte studietilboda. Sett i forhold til at arbeidstakarar i dagens og ikkje minst i morgondagens arbeidsliv vil ha eit sterkare behov for ei livslang læring med høg kvalitet,

kunnskapsministeren også har et samlet ansvar for å sikre kvaliteten på vei inn i den høyere utdanningen, f.eks. ved at man har etablert en god videregående skole, og før det en god grunnskole. grunnskole. Så er det ingen som har sagt at de studentene som skal uteksamineres, skal ha lavere standard enn om de hadde gått et standardløp som er støpt til dem fra universitetet en gang for alle. Jeg synes man, hvis man har disse to forutsetningene klart for seg, høy kvalitet ved inngangen til studiet og høy kvalitet ved avleggelse av endelig eksamen, kan se litt mer avslappet på at det er flere veier til samme mål, mål, hvor kundeorientering, for å bruke det uttykket, også må være ganske vesentlig. Vi har i Norge historisk erfaring for at Handelshøyskolen BI kjempet seg frem ved nettopp å tilby fleksibilitet i forhold til livssituasjon, arbeidssituasjon og ikke minst en geografisk distribusjon. distribusjon. Det er jo blitt et høyere lærested, kunnskapsbasert og forskningsbasert, som har vokst frem, så vidt tolerert av det offentlige systemet. Så jeg kan ikke helt fri meg for at underliggende i dette lite imøtekommende svaret er det en bekymring for å bli utsatt for en ubehagelig konkurranse. Jeg tror alle blir bedre samtidig som jeg respekterer at Universitetet i Oslo gjør denne omleggingen, for de er jo presset av rammer som gjør at de må tilgodese sine heltidsstudenter. Så nettopp i en situasjon hvor vi politikere legger et ytre press på lærestedene våre for å sikre en betydelig studentgjennomstrømming, er det også viktig at man opprettholder ventiler i systemet, og en av disse ventilene er privatistadgangen. Så får vi sammen arbeide for at det er sertifiserings- og eksamenssystemene som passer på at det ikke blir sluppet jurister ut i samfunnet som ikke har fullgod utdannelse. Jeg ser at statsrådens svar om å nedsette en arbeidsgruppe inneholder en liten åpning om at man i hvert fall skal se på problemstillingen. Men jeg vil nok anbefale at man har en noe mer offensiv holdning til å akseptere at det er flere veier til høyere utdannelse enn bare den universitetsopptrukne sti. Vi lever i et samfunn som er på vei inn i en tidsalder etter oljen, og hvor vi stadig minner hverandre på ved høytidsstunder – og senest statsministeren i nyttårstalen – at vi nå skal leve av kompetansen, og ikke minst hverandres kompetanse, og da må vi ikke ha et offentlig system som er rigid, der man tror at man selv blir bedre eller sikrer kvaliteten ved å strupe alternativene.

manøvrere. Vi ser i denne saken, og vi hører både fra interpellanten og fra statsråden, at vi har et økende behov for jurister. Mange deler av samfunnet trenger flere utdannede jurister. Det er det ene perspektivet i denne saken: Hvordan skal vi klare å skaffe nok jurister til den Så er det også et behov for å få økt kvalitet i jusstudiet, og det er jo det som ligger til grunn for NOKUTs kommentarer på hvordan dette jusstudiet skal være. Men det er også sånn at det er mange som tar studiet utenfor de offentlige universitetene og de etablerte universitetene og jusstudiene. Det har kommet litt fram, men Kristelig Folkeparti kjenner en bekymring med tanke på de studieforbundene som tilbyr jus. Folkeuniversitetet er Kristelig Folkeparti kjenner en bekymring med tanke på de studieforbundene som tilbyr jus. Folkeuniversitetet er blitt nevnt, og i svaret til meg fra statsråden, den 27. august 2010, sier hun at de i «liten grad vil bli berørt». Folkeuniversitetet og andre aktører som tilbyr juseksamen, melder om at det er feil, for det er ikke sånn at man bare tilbyr delfag. Både i Oslo og i Trondheim tilbyr Folkeuniversitetet første til fjerde avdeling innen jusstudiet. Det gjør også Treider. Så det er ganske mange som har behov for at det finnes et eksamenstilbud som en forlengelse av det studiet man tar. Det at Folkeuniversitetet blir berørt, og at de har bekymringer for denne omleggingen, er en reell situasjon. situasjon. Jeg håper at statsråden vil ta aktivt tak i hvordan man kan tilby nettopp disse gruppene en eksamensressurs som gjør at de kan få fullført de avdelingene de tar via Folkeuniversitetet. Jeg må også be om at statsråden på nytt ser på de tallene hun bruker, for å se på hvor mange det faktisk var – i og med at ordningen ble omlagt i 2005, Så vi har en bekymring for folkeuniversitetene. Vi ønsker at det skal være et tilbud som de kan gi, sånn at vi får dette ut i hele landet. Og hvordan kan man klare å stille med en eksamensressurs som gjør at man får fullført sine studier, også gjennom

Bremers innlegg. Han omtalte dette som om Høyre ville fortsette som før. Men når han får manuset mitt etterpå, blir han nok overbevist om det motsatte, for det jeg nettopp presiserte, var at vi ønsker ikke å fortsette som før. Vi ønsker at Universitetet i Oslo skal gjøre grep, og vi ønsker at man også kan se om man kan gjøre grep som sikrer kvaliteten, slik andre har vært inne på her, også for privatistene. privatistene. Så må jeg kommentere dette underlige fokuset på å få ned tallene. Representanten Tor Bremer sa at det tilsvarer jo bare 1 pst. av de som gikk opp til eksamen på fjerde avdeling. Men man kan jo ikke se på fjerde avdeling isolert. Statsråden selv har jo fortalt hva som skjer underveis i studiet. Jeg har her tallene fra 2006 og fram til nå. I perioden 2006 til 2008

2010 er ikke klare ennå – jeg har prøvd å få dem i dag, men de er ikke klare. Så det er en betydelig mengde, og det må vi ta på alvor. Det var den ene bekymringen. Så må jeg si at når jeg hører statsrådens svar om alle de mulighetene som nå ligger der, er det i hvert fall ikke det som er oppfattet hos disse aktørene som driver og underviser. Det er heller ikke det som er oppfattet hos studentene studentene og disse andre som vi nå har snakket om, studieringer eller hva det måtte være. Så jeg må virkelig oppfordre statsråden til å gå i dialog med Universitetet i Oslo om å få kommunisert de mulighetene som er der. På nettsidene deres ser det ikke ut som om det er store muligheter til å fortsette som privatist, og som sagt, alle disse som skal bruke det, oppfatter at dørene lukkes. Så hvis det er slik at det fortsatt er store muligheter, og det kan hjelpe på med hensyn til det antallet som vi trenger å utdanne, håper jeg at statsråden i hvert fall vil ta grep for virkelig å kunngjøre og synliggjøre de tilbudene som er der, parallelt med de tiltakene som hun lovte å ta videre for å sikre at det er andre

Vi gjør alt dette. Vi har hyppige dialoger med Universitetet i Oslo. De har forsikret oss at det vil lages overgangsordninger for dem som er privatister nå, slik at de får fullført sine planlagte studier innen rimelig tid, og vi har også sterke og hyppige dialoger med de tilbyderne av privatistutdanning som eksisterer i dag, først og fremst Folkeuniversitetet. Det som er den viktigste utfordringen, er kvalitet. Det er Det er vanskelig å komme inn på jusstudiet, og det skal det være. Det stilles noen krav til studentene som ønsker å komme inn der, og da skal det jo ikke være slik at man setter lavere krav til de utdanningene som er andre steder. Det vil jeg si, også som svar på Tetzschners innlegg, at selvfølgelig er det greit nok med konkurranse, og vi har jo flere universiteter som tilbyr men vi kan ikke akseptere en konkurranse hvor noen av tilbyderne ikke holder den kvaliteten som vi setter krav om, og det tror jeg alle vil være enige om. Vi trenger å ha høy kvalitet – én ting er i inntaket, og en annen ting er gjennom studiet. Så er, som jeg nevnte i innlegget mitt, universitetene og høyskolene blitt ganske gode på det å tilby desentralisert utdanning, og det har vokst fram som en god kompetanse hos våre utdanningsinstitusjoner, som på mange måter har tatt over det markedet som ulike andre aktører hadde før. Men jeg kan forsikre om at vi er opptatt av at vi skal finne en løsning f.eks. med Folkeuniversitetet som tilfredsstiller kvalitetsvilkårene. For det er avgjørende, og der mangler det heller ikke på dialoger om hvordan vi skal gjøre det. Vi har tro på at ikke minst studieforbundene kan gjøre en jobb på en del av utdanningstilbudene, men det er nok ganske krevende å gi tilbud på en såpass langvarig utdanning som juristutdanningen i sin hele og fulle bredde er. Der tror jeg nok også utviklingen har ført til at man stiller høyere krav. Men det er mangfoldet som er viktig for oss, og som jeg nevnte i svaret til interpellanten, er det slik at vi nå også tilbyr kortere studier, eller opp til bachelornivå innenfor rettsvitenskap, og jeg tror det vil utfylle bildet godt. Så er det slik, også til representanten Tetzschner, at den arbeidsgruppen som jeg har satt ned, ikke nødvendigvis skal gå inn i forholdet mellom ordinære studier og privatiststudiet, men den skal kartlegge behovet for juridisk kompetanse, slik at vi får et godt bakteppe for ytterligere tiltak når det gjelder å utdanne gode jurister, for det tror jeg vi alle kan være enige om at vi trenger også i framtiden. Debatten i sak nr. 8 er dermed avsluttet. Stortinget går da til votering. I sakene nr. 1 og 2 foreligger det

president